Hansen

Manglende etterlevelse av anskaffelsesregelverket kan føre til høyere priser og lavere kvalitet på de varer og tjenester som det offentlige kjøper inn. Det øker også risikoen for korrupsjon og for misligheter. Det er derfor positivt at Riksrevisjonen fokuserer på temaet. En samlet komité har merket seg at departementet overfor Riksrevisjonen har gitt uttrykk for at de har et bredt fokus på bedre etterlevelse av regelverket. Dette er selvfølgelig bra. Og det er nok å ta tak i. Det er påvist 1 196 regelverksbrudd i de 616 sakene hvor det er konstatert manglende etterlevelse av anskaffelsesreglementet i perioden 2006–2009. Det regelverksbruddet som oftest går igjen, er manglende konkurranse. Dette gjelder i over halvparten av alle sakene. Ofte skyldes dette videreføring av utgåtte rammeavtaler, hvor det skulle ha vært utlyst nye anbud. Et annet regelverksbrudd som går igjen, er manglende eller mangelfull protokollføring. Dette gjelder i 45 pst. av sakene. Andre regelverksbrudd som påvises, er manglende sporbarhet, manglende HMS-attest eller skatteattest, manglende skriftlig kontrakt, feil valg av anbudsprosedyrer, mangler ved konkurransegrunnlaget, feil ved kunngjøring og brudd på reglene om habilitet. Hvorfor er det da slik at reglementet ikke følges? Dette er en sammensatt problemstilling, hvor det er vanskelig å trekke frem én enkelt årsak som forklaring. I rapporten er det oppgitt elleve mulige årsaksforklaringer, basert på spørreundersøkelser til de berørte virksomheter og departementer. Manglende regelverkskompetanse er den årsaken som flest virksomheter oppgir. En annen årsak som nevnes, er manglende bestillerkompetanse, dvs. kjennskap til hvilke behov virksomheten har, og hvilke leverandører som kan være aktuelle. Ofte tror innkjøperne at det kun er én aktuell leverandør og henvender seg direkte til vedkommende når varer og tjenester skal anskaffes. Manglende regelverkskompetanse og bestillerkompetanse skyldes ofte en lite formålstjenlig Dette er drøftet i komiteens merknader, og komiteen viser til Innst. S. nr. 348 for 2008–2009, jf. St.meld. nr. 36 for 2008–2009, der tiltak for å forbedre situasjonen også blir skissert. Økt lederforankring, bedre internkontroll, økt kompetanse og økt bruk av elektroniske løsninger skal bidra til bedre innkjøp. Komiteen viser også til at departementet, etter anbefalinger i NOU 2010:2 Håndhevelse av offentlige anskaffelser, er i gang med et arbeid med utforming av nye regler for håndheving av offentlige innkjøp. Direktoratet for forvaltning og IKT – Difi – har en sentral plass i arbeidet med å få offentlige virksomheter til å fokusere på forbedringer i innkjøpssektoren. annet driver Difi doffin.no og gir ut nyhetsbrev med relevant informasjon på fagfeltet. Målgruppen er alle som arbeider med offentlige anskaffelser, og spesielt de som er direkte eller indirekte ansvarlige for innkjøp i kommuner og fylkeskommuner. Difi har ansvar for at statlige og andre offentlige virksomheter har tilbud om kurs om anskaffelser. Dette er et tiltrengt og nyttig tiltak for å rette opp situasjonen. Kunnskapsportalen, www.anskaffelser.no, og Difis arbeid med å videreutvikle denne med informasjon, tilrettelegging og hjelpemidler er også noe som vil styrke dette feltet. Difi gir som sagt ut et nyhetsbrev på feltet. Riksrevisjonens rapport er omtalt i Nyhetsbrevet omtaler også ordningen med digital signatur for offentlige innkjøp i Europa. Ved å signere elektronisk går innkjøpene raskere og med større sikkerhet om hvem som har levert tilbud, og om at det som er levert, ikke er endret underveis. Samtidig senkes terskelen for å innhente tilbud over landegrensene. Ifølge direktøren for Difi gir dette bedre konkurranse om leveranser til offentlig sektor. Komiteens flertall, medlemmene fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, peker også på en rekke tiltak som kan vurderes for å styrke feltet, slik som en egen «innkjøpsstatsråd», økt fokus på småbedrifter og frivillige organisasjoner i offentlige innkjøp, og revidering av prosedyren med å prekvalifisere tilbydere. Komiteen viser også til at NHO og KS har startet et nasjonalt program for leverandørutvikling. I den forbindelse har de gitt ut en brosjyre som viser hvordan åpen dialog mellom kunder og leverandører i anskaffelsens tidlige fase bidrar til nye produkter, ny teknologi, bedre løsninger og merverdi for alle involverte parter.

Ved å legge bedre til rette er det stort potensial for flere konkurrenter, større konkurranse og bedre offentlige kjøp. Komiteens flertall, medlemmene fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, viser til at dette f.eks. kan løses ved at man legger rammeavtalekonkurranser eller andre store oppdrag ut på anbud i mindre deler, geografisk eller produktmessig. Da kan mindre foretak legge inn tilbud på de deler hvor de har sin ekspertise eller sitt geografiske nedslagsfelt. Store rammeavtalekonkurranser bør bare gjennomføres der hvor en kan oppnå et bedre sluttresultat ved en samlet utlysning enn ved at oppdraget lyses ut i mindre separate konkurranser. Klagenemnda for offentlige anskaffelser, KOFA, behandler brudd på anskaffelsesreglementet. Utviklingen der er illevarslende. KOFA har hatt en merkbar økning i antall klagesaker. Selv om staben er økt, er saksrestansene nesten doblet fra 2009 til 2010. Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden er nå rundt seks måneder. Dette er det dobbelte av det målet som ble satt for fire år siden. Men ikke alle ulovlige Klagenemnda har ikke fullmakt til selv å etterforske saker der det er mistanke om at en oppdragsgiver har unnlatt å kunngjøre en anskaffelse. Klagenemnda er avhengig av at leverandører, organisasjoner, politikere og andre klager saker inn. Komiteen er tilfreds med at KOFA og Konkurransetilsynet samarbeider om å spre kunnskap til offentlige oppdragsgivere om anskaffelsesregelverket og om regler i konkurranseloven om ulovlig anbudssamarbeid. Samtlige departementer har omtalt anskaffelser i styringsdialogen med de underliggende virksomheter. Føringene er i hovedsak generelle med få konkrete tiltak som berører den enkelte virksomhet. Det må forutsettes at departementene i sin fremtidige styringsdialog i større grad fokuserer på etterlevelse av reglementet, og eventuelt spesifiserer hvilke konkrete tiltak som bør iverksettes. Komiteen har også merket seg at Riksrevisjonen påpeker at Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i større grad bør arbeide med tiltak for å forebygge brudd på anskaffelsesregelverket. Komiteen er enig i denne oppfordringen til departementet, og ber om å bli holdt orientert om utvikingen. Riksrevisjonen uttaler at departementet bør arbeide videre med tiltak for å sikre en god forvaltningspraksis på anskaffelsesområdet. Komiteen ber departementet følge denne oppfordringen og fortsette sitt arbeid med rettledning, tilrettelegging og økt bruk av elektronisk handel, og ikke minst kompetanseoppbygging på feltet. Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre ber også om at det vurderes om det er behov for en forenkling av dagens regelverk, og ber regjeringen i så fall komme tilbake til Stortinget med forslag til
Da er neste taler representanten Trine Skei Grande, deretter representanten

Departementet har omtalt veldig mange av de påpekningene som Riksrevisjonen har hatt, og kommet med en rekke forslag til hvordan de kan forbedre seg, bl.a. i St.meld. nr. 36 for 2008–2009, der tiltak for å forbedre situasjonen blir behørig omtalt. Der nevnes økt lederforankring, bedre internkontroll, økt kompetanse og økt bruk av elektroniske løsninger som skal bidra til bedre innkjøp. Det er en samlet komité som anser dette som tiltrengte virkemidler for måloppnåelse, og som tror at det over tid vil gi løsninger på de utfordringene som Riksrevisjonen påpeker. Departementet er også i gang med et arbeid med utforming av nye regler for håndheving Departementet har gitt uttrykk for at de har et bredt fokus på bedre etterlevelse av regelverket. Difis ansvar for at statlige/offentlige virksomheter har tilbud om kurs om anskaffelsesprosessen er et veldig nyttig tiltak for å rette opp i situasjonen. Kunnskapsportalen, som heter www.anskaffelser.no, og Difis arbeid med å videreutvikle denne med informasjon, tilrettelegging og hjelpemidler er også noe som vil styrke regelverkskompetansen.

men også til det Riksrevisjonen kaller lite «gjennomsynlighet». Det er et stikkord for det folk på folkemunne kaller «fare for korrupsjon». Det er et faktum at ved lite åpenhet om innkjøp kan man risikere at forvaltningen blir utsatt for et press som kan føre til det vi kaller korrupsjon. Derfor er dette regelverket strengt. Da er det desto mer skuffende at det går år etter år uten at det er synlige forbedringer i anskaffelsespolitikken. Jeg må jo si at det kan nesten lyde som et litt humoristisk understatement når Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet mener at det er behov for å øke kunnskapen til og kompetansen om regelverket for å styrke og

av regjeringspartiene selv eller av opposisjonen gjennom behandling i komiteen. Det har jeg lyst til å understreke, for av og til får man det inntrykket at Riksrevisjonen taler for døve ører. Det kan man nok mene i forhold til departementene, men i forhold til Stortinget får man her full backing, som det vel heter i et mindre byråkratisk språk. Det eneste som er litt underlig med innstillingen, er jo at regjeringspartiene hopper av hver gang man peker på at det finnes måter å løse problemene på. Man skulle jo tro at hvis man var i regjeringspartiene, så var man opptatt av å gi gode råd til sine folk i departementene, og ikke minst til fornyingsministeren som på en måte har det overordnede ansvar, men som samtidig vet at de fleste innkjøp ikke skjer i det departementet. De skjer i en rekke andre departementer, ikke minst også i underliggende etater. Når vi fra opposisjonens side peker på en del gode tiltak, så er det faktisk tiltak som enten er praktisert i andre land Sverige og Storbritannia nevnes her – eller som departementets eget direktorat, Difi, selv peker på. Så det burde være relativt ufarlige forslag. Når man f.eks. peker på at den svenske regjeringen har en egen såkalt innkjøpsstatsråd, er det selvfølgelig ikke meningen å blande seg borti hvordan regjeringen fordeler sitt arbeid seg imellom, men det nevnes som en idé som man jo i det internasjonale samarbeidets navn kan se om har virket i andre land. Enda mer underlig blir det på mange måter når man igjen, som sakens ordfører også var inne på, tar opp problemstillingen med restanser og tiden det tar for å få behandlet saker i det som kalles KOFA. Dette var en problemstilling under den forrige statsråden, statsråd Grande Røys. Hun lovet Stortinget at saksrestansene skulle bygges kraftig ned. Det har skjedd, men jeg vil gjerne ha et løfte fra den nåværende statsråden også, om nedbygging av saksrestansene i KOFA, for hvis dette virkemiddelet skal kunne brukes effektivt, må det ikke ta år og dag før sakene blir behandlet. Det er ganske store bøter som kan ilegges offentlige etater og kommuner av KOFA, og det er jeg glad for, men da må det ikke være en stor restanse av saker, slik at virkeligheten – jeg holdt på å si – går tapt innen sakene blir behandlet.

Det er en ambisiøs tittel Difi har gitt meg. Men de mener altså at det offentlige kan spare 20–30 milliarder ved å effektivisere innkjøpene sine.» Videre står det, som jeg har understreket: «Jeg takker for det og har allerede lagt tallene inn i budsjettet for neste år.» Dette var i fjor, så jeg er veldig spent på å høre statsrådens kommentarer til resultatene av dette,

og lett å få til den innsparingen ved at man leverte pengene når man gikk derfra. Så det var sagt i en humoristisk tone, men jeg er helt sikker på at vi gjennom å ha mer effektive og riktige innkjøp har penger å spare. Derfor er det viktig at vi har et regelverk som bidrar til at stat og kommune kjøper varer og tjenester på Bare på den måten utnyttes fellesskapets midler best mulig. Regelverket skal jo bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at de offentlige anskaffelsene skjer på en samfunnstjenlig måte. Undersøkelsen som er lagt fram av Riksrevisjonen, gjelder virksomheter der det er konstatert brudd på regelverket i perioden Den sier ikke noe generelt om hvordan regelverket for offentlige anskaffelser etterleves. Når det er sagt, har Riksrevisjonen gjentatte ganger i Dokument 1 pekt på brudd på anskaffelsesregelverket. Det tar regjeringen på alvor. Riksrevisjonens undersøkelse gir et nyttig bidrag til å gjøre etterlevelsen av reglene bedre. Den vanligste feilen i sakene som nå er undersøkt, er at varer og tjenester er anskaffet uten at det er gjennomført en konkurranse. Men undersøkelsen avdekker også andre typer feil, som manglende protokoller som dokumenterer anskaffelsesprosessen, mangel på annen type dokumentasjon, mangel på sporbarhet mellom inngåtte kontrakter og regnskapssystem, og feil bruk av rammeavtaler. Undersøkelsen viser at årsakene til at disse feilene skjer, er sammensatt. Mangel på kompetanse er, som før nevnt, den viktigste årsaken. Videre peker Riksrevisjonens rapport på uheldig organisering av anskaffelsesaktiviteten i virksomhetene, manglende intern kontroll, manglende anskaffelsesstrategier og forankring hos ledelsen. Riksrevisjonens undersøkelse bekrefter dermed i stor grad det som ble presentert i St.meld. nr. 36 for 2008–2009, Det gode innkjøp. Her ble lederforankring, intern kontroll, formålstjenlig organisering av innkjøpsaktiviteten og kompetanse løftet fram som de viktigste faktorene for å oppnå det gode innkjøp. Stortingsmeldingen inneholder en rekke tiltak for å forholdene. Som jeg har redegjort for i brev til Riksrevisjonen, er disse tiltakene fulgt opp i hovedsak gjennom Direktoratet for IKT og forvaltning, Difi. Difi skal bl.a. sørge for at statlige virksomheter har tilbud om kurs og veiledning. Direktoratet skal arbeide for å styrke og videreutvikle nettverk for innkjøpere, slik at innkjøperne kan utveksle kompetanse, erfaring og verktøy. Difis kunnskapsportal, www.anskaffelser.no, inneholder bl.a. informasjon, maler og verktøy tilpasset ulike typer anskaffelser, og for alle ledd i anskaffelsesprosessen. Her kan virksomhetene også finne veiledning om internkontroll, ledelsesforankring og etablering av anskaffelsesstrategier. Et annet viktig tiltak for å sikre gode innkjøp er økt bruk av elektroniske løsninger.

Riksrevisjonens undersøkelser peker også på manglende datagrunnlag om offentlige anskaffelser. Jeg er enig i at vi har for lite statistikk om offentlige anskaffelser. Dette ble også påpekt av mitt departement i stortingsmeldingen Det gode innkjøp. Difi fikk derfor i 2010 i oppdrag å starte et arbeid med å forbedre statistikkgrunnlaget om offentlige anskaffelser. Dette arbeidet tar nødvendigvis noe tid, men det har høy prioritet og fortsetter i 2011. Riksrevisorkollegiet har pekt på at omfattende krav til gjennomføring av anskaffelsesprosessene kan være en medvirkende årsak til manglende etterlevelse av reglene. Det er det også registrert at flertallet har sagt i sine merknader. Norge er gjennom EØS-avtalen forpliktet til å ha ganske detaljerte regler om offentlige anskaffelser. EU-kommisjonen har imidlertid satt i gang en prosess med sikte på å modernisere og forenkle anskaffelsesreglene. I januar i år sendte kommisjonen ut et omfattende høringsdokument. Mitt departement arbeider nå med et høringssvar. Et av hovedsynspunktene som vil bli spilt inn fra norsk side, er behov for forenklinger. Dersom dette blir resultatet av kommisjonens arbeid, vil det selvsagt være naturlig å sette i gang et arbeid med å forenkle de norske reglene. Representanten Foss nevnte KOFA som et viktig instrument for å ha gode etterlevingsmekanismer for offentlige innkjøp. Vi har hatt en offentlig utredning som har sett på hvordan vi skal håndheve regler om offentlige anskaffelser. Utvalget har avgitt sin innstilling, og vi er nå i ferd med å følge opp den innstillingen. KOFAs arbeidsbetingelser vil være en del av det arbeidet vi gjør der. Når vi har gjennomgått Håndhevelsesutvalgets innstilling, vil jeg få lov til å komme tilbake til Stortinget komme tilbake til Stortinget med hvordan dette skal følges opp. Det vil også inkludere hvordan vi skal jobbe med KOFA i tiden framover. KOFA har i disse årene fått betydelig økte budsjettmidler, men tilgangen på saker er stor, og vi må nok gjøre noen grep, slik at vi skal få unna sakene og se på om det er andre måter vi kan løse enkelte av dem på.

Folkeparti og Venstre, særlig med hensyn til å legge til rette for flere konkurrenter ved at man legger rammeavtalekonkurranser og andre store oppdrag ut på anbud i mindre deler, geografisk eller produktmessig. Da kan mindre foretak legge inn tilbud på de deler der de har sin ekspertise, eller sitt geografiske nedslagsfelt. Jeg hørte ikke – det er mulig det er feil – at statsråden i sitt innlegg var inne på dette temaet. Mitt spørsmål til henne er hvordan hun reagerer på denne type idé, og om dette er noe hun vil medvirke til, slik at det blir bedre for de små bedriftene i samfunnet

innkjøp. Jeg er veldig enig med saksordføreren i at det er viktig. Jeg tror vi i dag har for mange som legger ut anbud, uten å tørre å bedrive innovasjon. Det gjør at vi i for stor grad kjøper det samme som vi kjøpte sist. I mitt departement er vi med på å finansiere det arbeidet som KS og NHO gjør, for å få til mer leverandørutvikling i innkjøpene. Det kan også være et bidrag til at flere og nye bedrifter kan være med i anbudskonkurranser.

når man sier at den manglende etterlevelsen av regelverket og det som er påpekt av Riksrevisjonen, ikke gir noe generelt bilde av virksomheten. Det er mulig at man kan se det på den måten, men det gir i hvert fall et generelt bilde av at det er gjentatte manglende etterlevelser gjennom mange år, og det er jo det som er alvorlig. Et flertall av virksomhetene som er undersøkt, opplyser at innkjøpene ikke blir konkurranseutsatt fordi man følger den tidligere praksis. Det er selvfølgelig enklere og relativt alvorlig. Det er alvorlig, for høyst sannsynlig skaper det en unødvendig merbruk av statens midler – eller skattebetalernes penger, om man vil. Det er også alvorlig fordi en slik manglende konkurranse ikke gir noen incitamenter til innovasjon, til konkurranse som kunne skape ikke bare mer kostnadseffektive innkjøp, men også bidra til nye produkter, nye løsninger, som kunne komme forbrukerne til gode. Det igjen ville bidra til fremvekst av ideer, av nye bedrifter, av innovasjon, teknologi – i det hele tatt styrke vårt samlede næringsliv. Særlig vil jeg understreke at dette er viktig for småbedrifter, som også har gode kostnadseffektive produkter, men som ikke ofte deltar i offentlige anbudskonkurranser. Det er et faktum at det ofte er få tilbydere til de offentlige konkurransene. At ikke småbedriftene deltar, kan skyldes størrelsen på oppdragene som lyses ut, men det kan også ha med prosedyrekrav å gjøre, og ikke minst et byråkrati som generelt i første omgang kan virke avskrekkende for mindre bedrifter. Og med et marked fra det offentlige, stat og kommune, på kanskje opp mot 400 mrd. kr i året er den offentlige sektoren en stor og betydningsfull kunde. Det innebærer muligheter for mye, ikke minst for misbruk, men det innebærer også unike muligheter til å være med på å utvikle norsk næringsliv gjennom innkjøpene for våre felles midler. En mer aktiv næringspolitikk enn det kan jeg nesten ikke tenke meg. Derfor må man stimulere til produktutvikling og innovasjon hos sine leverandører, fra det offentliges side, men også til den gode konkurranse – og flest mulig må slippe til. Kravene må slippe til. Kravene må utvikles i samhandling med leverandører, som også er innovatører. Og hvis vi har for rigide ordninger, får vi ikke dette til. For å stimulere mindre foretak til å delta tror jeg at man bør se på muligheten til å dele oppdragene mye mer, både produktmessig, volummessig Mindre bedrifter har ofte også et lavere kostnadsnivå, samtidig som de faktisk kan ha høy spisskompetanse innenfor spesialområder. Det vil også stimulere mindre bedrifter til å delta hvis man gjør anskaffelsesregelverket så enkelt som mulig. Nå forstår jeg at statsråden henviser til EU, henviser til EU, at EU skal være den kompliserende faktor, og at man nå arbeider med noe der, men det er jo fullt mulig å gjøre ting enklere – man bør jo ikke sitte og vente på EU – så lenge det er innenfor reglene. Ved en oppdeling vil det også bli mer oversiktlig for staten som kunde, og det vil være enklere å skifte leverandører, noe som jo er påpekt av Riksrevisjonen at man ikke gjør ofte nok fordi man fortsetter med det samme, og man vil få et større mangfold av leverandører. Jeg tror at på nye teknologiske områder, som f.eks. innenfor energi, og også innenfor miljø og klima, har det offentlige et stort ansvar som innkjøper for å videreutvikle konkurransen og konkurransekraften i norsk næringsliv. Ved offentlige innkjøp kan bedriftene perfeksjoneres mot de internasjonale markeder, og det er klart at aksept fra hjemlige, offentlige innkjøpsorganisasjoner vil ofte være en meget god referanse når man skal ut i verden. Helse, pleie og omsorg er nye områder som stadig flere aktører definerer som interessante, og hvor det offentlige også har et stort medansvar for å trekke med private leverandører og deres ideer og løsninger. Her bør det være et stort potensial for innovasjon og leverandørutvikling, ikke minst den nylig fremlagte Samhandlingsreformen vil medføre et stort behov for å se på gamle problemer med nye øyne for å finne de nye løsningene, til beste for norsk næringsliv. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 8. Etter ønske fra energi- og

Videre vil presidenten foreslå at det gis anledning til replikkordskifte innenfor den fordelte taletid på inntil fem replikker med svar etter innlegg fra medlem av regjeringen. Videre blir det foreslått at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletiden, får en taletid på inntil 3 minutter. – Det anses vedtatt. Representanten André Oktay Dahl får ordet på vegne av sakens ordfører, Bente Stein Mathisen. Økningen i lovfestede rettigheter har vært stor. God

Historien deretter har vært turbulent – stadig nye utsettelser, uenighet om informasjonsflyt, som medførte mistillitsforslaget i 2010, og en stadig vekst i kostnadene. Det gjør at spesielt i opposisjonen har vi veldig vaktsomme øyne i denne saken. Like fullt ser vi i dag et enstemmig storting som ønsker prosjektet realisert og som støtter justeringene i prosjektet rundt testsenteret på Mongstad. Det vitner om en opposisjon som strekker seg langt, men det vitner også om en posisjon som i denne saken har snakket godt med opposisjonen. For mange, inkludert undertegnede, er strikken strukket bortimot så langt den kan gå uten å ryke med tanke på tålmodighet i denne saken. Når det er sagt, tyder mye på at prosjektet nå er på det sporet det burde ha vært i en tidlig fase. Jeg håper at vi unngår tilbakefall. Man har nå tydelig delt prosjektet i to klare deler. Først skal man bygge testsenteret – og gi det tid til testing. Det gir prosjektet en sentral rolle i forsøket på å utvikle kommersiell CO2-renseteknologi. Denne presiseringen er viktig, for i stortingsdebatten i mai 2009 var signalet fra regjeringspartiene at fullskala investeringsbeslutning skulle tas uavhengig av om testsenteret var ferdig. Denne linjen har regjeringen derved frafalt, og det er bra. Dernest skal man ta en investeringsbeslutning om fullskala rensing på Mongstad. Beslutningen er utsatt til senest 2016, så sånn sett var Bergens Tidende, som allerede i mai 2009 spådde at månelandingen ville finne sted i 2018 eller senere, ganske forutseende. Men allerede nå ser det ut som om man faktisk var optimistisk. Når det gjelder punktet om fullskala rensing på Monstad, skiller nok partiene lag i denne innstillingen også, hvor enkelte partier fortsatt gir inntrykk av å ville investere på Mongstad nærmest koste hva det koste vil, mens bl.a. Fremskrittspartiet og Høyre ser på ressursbruken her opp mot alternative prosjekter. Komiteen tror at løpet som nå er lagt, bidrar til å gjøre testsenteret på Mongstad mer interessant for forskningsmiljøer og industriaktører. Komiteen understreker også at regjeringen har et ansvar for å sikre et bredt engasjement i forskningsmiljøene. Komiteen står samlet om å imøtese at flere teknologier kan involveres på testsenteret. Dette er spesielt viktig når regjeringen sår tvil om aminteknologien er egnet til storstilt CO2-rensing. Vi viser til at f.eks. Siemens varsler at de ønsker seg inn på testsenteret på Mongstad. Dette håper vi regjeringen håndterer på en god måte. Gassnova er satt til å gjøre et kartleggingsarbeid for mulige CO2-renseprosjekt utover Mongstad. Jeg ser gjerne at statsråden spesifiserer litt hva han har tenkt rundt dette. Er det snakk om et tre års utredningsprogram som skal gå til en ser på testanlegget, eller er det et fortløpende arbeid som åpner for at beslutningen kan tas før? I Innst. S. nr. 205 for 2006–2007 uttalte en samlet energikomité at regjeringen bør «legge til rette for å få frem ytterligere prosjekter for CO2-håndtering». For enkelte av oss blir det nærliggende å peke på både Hammerfest Energi og Sargas’ prosjekt på Melkøya og på Industrikraft Møre og Siemens' prosjekt i Møre og Romsdal.

Jeg vil minne om at komiteen også påpekte dette i 2009. Så dette er ikke et nytt tema, sånn som man kan få inntrykk av gjennom media. Suksessfull utvikling av CO2-renseteknologi er avhengig av at man reduserer kostnadene betydelig ved fangst av CO2 samt at man også håndterer CO2-en på en god måte etterpå. Dette er det viktig å presisere hvis vi skal få suksess, for det bare å ha utviklet fullskala teknologi som blir så dyr at ingen vil ha den, har ikke gitt det gjennombruddet en har ikke gitt det gjennombruddet en trenger. Men det har også regjeringen forstått. Komiteen påpekte i 2009 at man bør forsøke å gjøre CO2 til en ressurs fremfor til avfall. Jeg håper at regjeringen fortsetter det arbeidet i større grad enn i dag, og at de ser mer på bruk av CO2 til injeksjon i oljebrønner for å øke utvinningen der.

Om vi skal nå togradersmålet, kreves det en stor omlegging av måten vi produserer og bruker energi på. Store punktutslipp står for en omfattende del av utslippene av CO2 internasjonalt. I Norge står de ti største punktutslippene for 20 pst. av totalutslippet. Rensing av CO2-utslipp fra punktkilder vil spille en viktig rolle for å løse klimautfordringene, både i Norge og internasjonalt. Det internasjonale energibyrået, IEA, uttalte for en tid siden at om vi skal nå våre klimamål, så kreves det en teknologisk revolusjon. Vi trenger ny teknologi for produksjon av fornybar energi, vi trenger gode løsninger for energisparing, og vi trenger teknologi som kan fange og lagre CO2. Jeg er glad for at Norge har tatt en ledende rolle internasjonalt for utviklingen av fangst- og Analyser av hvordan framtidens energisystem vil se ut, viser at teknologi for fangst og lagring er helt sentralt for å nå målene våre. Det er en stor mengde kullkraftverk i drift i dag, og det bygges stadig nye. Nettopp derfor er det ekstremt viktig å utvikle teknologi som kan fange og lagre utslippene fra disse. Stortingsmeldingen om fullskala fangst og lagring av CO2 vitner om at regjeringspartiene har lagt har lagt et ambisiøst løp for å bidra til å utvikle, teste og kommersialisere en sånn teknologi. Jeg synes det er veldig gledelig å se at det også i all hovedsak er så bred enighet på Stortinget om de perspektivene som meldingen trekker opp. Fangst og lagring av CO2 i den skalaen vi snakker om her, er ambisiøst. Det er nødvendig for å nå klimamålene, det er nybrottsarbeid, og vi er nødt til å gå opp Testsenteret på Mongstad utvikles etter planen. Når det står ferdig, vil det være det første i sitt slag i verden, og det er ingen andre testsentre som tester så mange teknologier og som kan variere CO2 i røykgassene i den størrelsesorden som en gjør på testsenteret. Jeg er veldig glad for at regjeringen har lagt vekt på at de partnerne som er med i testsenteret, er aktører som alle har et industrielt behov for den teknologien som testes. Dette gir prosjektet en viktig forankring. Gjennom forskningsprogrammet CLIMIT og forskningssenteret om CCS og flere andre aktiviteter bidrar vi til utvikling, testing og kommersialisering av teknologi for fangst og lagring av CO2. Fullskala fangst og lagring av CO2 er målet med dette arbeidet. Vi må legge til rette for fangst og lagring av CO2 både i nye kraftverk og i såkalte varme kraftverk, slik vi gjør på Mongstad. De eksisterende punktutslippene i verden, og i Norge, er formidable. Arbeidet med fullskala CO2-rensing på Mongstad er veldig viktig. Tidlig i løpet ble det valgt å bruke aminbasert teknologi, for det var den teknologien som ble oppfattet som klart mest Når vi nå har fått de opplysningene vi har om mulig helsefare ved aminteknologien, er jeg veldig glad for at vi tar oss tid til å avklare eventuelle helseproblemer, og at det nå gjennomføres et teknologikvalifiseringsløp på Mongstad med flere teknologier – før investeringsbeslutningen fattes. Det nye løpet på Mongstad innebærer at det brukes inntil tre år på teknologikvalifisering og at det brukes inntil tre år på teknologikvalifisering og deretter inntil to år på prosjektering. Dette er en vanlig industriell prosess for arbeid med umoden teknologi. Jeg vil likevel understreke at dersom spørsmålet om helsefare avklares før det har gått tre år, vil spørsmålet om teknologivalg tas opp igjen umiddelbart. I tillegg til fullskalaarbeidet på Mongstad er det viktig at Gassnova har fått i oppdrag å utrede eventuelle andre for fullskala CO2-håndtering i Norge. Sammen med innsatsen i CLIMIT og den internasjonale innsatsen, testsenteret på Mongstad og fullskala aktivitet på Mongstad gir dette en omfattende og offensiv politikk for utviklingen av denne viktige teknologien, fra idé til produksjon. Til slutt ønsker jeg å takke saksordføreren, representanten Ketil Solvik-Olsen, for gode samtaler og konstruktiv jobbing som har gjort at vi i all hovedsak – jeg holdt på å si – fant sammen. Det er

Det må være en ambisjon at teknologisenteret kan spille en betydelig rolle i utviklingen av ulike fangst- og lagringsteknologier for CO2 i flere tiår fremover, og at nytteverdien ikke begrenser seg til å teste og videreutvikle de to teknologiene som nå benytter teknologisenterets fasiliteter. Det er derfor positivt at flere internasjonale selskaper har valgt å kjøpe seg inn på eiersiden i teknologisenteret. Det må sikres et bredt engasjement i forskningsmiljøet i Norge og internasjonalt, slik at man får utviklet en sterk forsknings- og næringsklynge rundt

I den forbindelse er det interessant dersom enten Italia og/eller Storbritannia velger å ta aminteknologi i bruk i forbindelse med at disse to landene skal fatte investeringsbeslutning om fullskala renseanlegg i tredje kvartal 2011. Dersom tidsplanen holder, vil begge disse anleggene være i drift før det fattes beslutning om fullskala renseanlegg på Mongstad, en beslutning regjeringen varsler at vil komme i 2016. Den reviderte tidsplanen på Mongstad vil sannsynligvis åpne for betydelig erfaringsoverføring fra bygging og drift av andre ettermonterte anlegg.

Kanskje bygger denne snuoperasjonen på en erkjennelse av at det ikke var Apollo 1 som landet på månen, men Apollo 11, eller at det kan bli folksomt på månen dersom vi skal vente til Mongstad letter. Uansett er det positivt at regjeringen har snudd. Det betyr at man allerede nå bør sende signaler til aktører som Industrikraft Møre om at regjeringen kan være villig til å gi støtte til rensekostnad utover kvotepris dersom Industrikraft Møre realiserer et nytt gasskraftverk. Et nytt gasskraftverk med rensing fra dag én representerer en annen teknologi enn ettermontering på Mongstad vil gjøre, men det å bygge det første fullskala fangstanlegget for CO2 fra et gasskraftverk i verden innebærer i seg selv en betydelig teknologiutvikling. Et slikt renseanlegg bør bygges etter en åpen anbudsprosess, der skattebetalernes ansvar og risiko er tydelig avgrenset. Siemens har anslått prisen på rensing av et nytt gasskraftverk til omtrent 2 mrd. kr – og da bygget med en renseteknologi som ikke har noen av helseutfordringene forbundet med Det er to tredjedeler av beløpet som regjeringen anslår at forprosjekteringen av fullskala rensing på Mongstad vil utgjøre, altså de kostnader som påløper før Stortinget har besluttet om fullskala rensing skal bygges på Mongstad eller ikke. Regjeringen anslår kostnadene for fullskala rensing på Mongstad til 20–25 mrd. kr. Det er et svært høyt tall. Prisen må ned dersom teknologien skal være interessant for flere enn verdens rikeste land. Og det må være det overordnede målet med hele prosjektet. Prisen må ned dersom Stortinget skal kunne forsvare prosjektet i et klimaperspektiv. Den alternative klimagevinsten av 25 mrd. kr vil være betydelig. Prisen må ned dersom prosjektet skal motivere andre land til å satse på CCS. Det er verdt å merke seg at andre land budsjetterer langt lavere enn det regjeringen gjør på Mongstad. Den britiske regjeringen anslår f.eks. at rensing av 2 mill. tonn fra kullkraftverket Longannet vil koste 9 mrd. kr inklusive transport og lagring. Det er lenge til investeringsbeslutning skal fattes på Mongstad. I mellomtiden bør regjeringen prioritere arbeidet med å få kostnadene ved fullskala rensing ned, løse og legge til rette for transport og lagring av CO2 fra flere punktutslipp og bidra til at det realiseres et nytt gasskraftverk med rensing fra dag én på et egnet sted i Norge. Ambisjonen om å rense Mongstad må stå fast, men prisen må ned. Forhåpentligvis vil svaret ligge i teknologisenteret vi nå bruker over 6 mrd. kr på. Aller først vil jeg bare bemerke at dette, så vidt jeg vet, er

Men det er det vi må sikte etter. Målet med å utvikle teknologi for rensing av CO2-utslipp er ikke prestisje og heller ikke absolutt å komme først, men det er å bidra til løsninger på en av menneskehetens mest presserende kriser. Det at vi har det travelt, handler jo om den rollen vi kan spille på teknologiutviklingsfronten, og for å bidra til at CO2-rensingsløsninger blir aktuelle i store deler av verden – for det må det. om den rollen vi kan spille på teknologiutviklingsfronten, og for å bidra til at CO2-rensingsløsninger blir aktuelle i store deler av verden – for det må det. I denne salen har vi jevnlige diskusjoner om hvilke scenarioer som skal legges til grunn for framtiden når det kommer til energiproduksjon, og de mer oljeglade av oss liker vel å legge Det internasjonale energibyrås «business as usual»-scenarioer til grunn, og bruker det som bevis på at vi nærmest ubegrenset kan fortsette å bruke olje og gass i høyt tempo

Ofte reduseres debatten om disse prosjektene til innenrikspolitisk spill. Det synes jeg er synd, men det er ikke noe nytt i dette. Regjeringer har tidligere falt på CO2-rensing. Så er det nok også underholdende å slå månelandingsmorsomheter. Men forsinkelser og utfordringer vi møter på veien, mener jeg jo tvert imot er et bevis for at det vi jobber med, er så viktig. Ingen har gjort dette før. Det vi driver med. Vi må regne med at det er vanskelig, og vi må være sikre på at det vi gjør, er trygt. Det går til og med an å si at enkelte av forsinkelsene og problemene vi møter, gjør at teknologisenteret spiller den rollen det skal spille, at vi får avklart disse tingene, at vi får prøvd dem ut. Så mener jeg at de justeringene som regjeringen nå har varslet i prosjektet, er veldig kloke. Vi åpner for kvalifisering av flere fangstteknologier, og så legger vi til rette for bredere teknologiutvikling som kan vise seg å være anvendelig ved flere ulike situasjoner. Jeg tror nok dette prosjektet bl.a. har lært oss ikke å stole 100 pst. på kostnadsanslagene til enkeltaktører tidlig i en prosess, så jeg går nok ikke like god for de anslagene representanten Astrup siktet til, som det han selv kanskje gjør. Dessuten mener jeg det ikke er tvil om at det er riktig å forsikre seg om de helsemessige sidene ved prosjektet. Ekspertisen sier at dette sannsynligvis går helt fint, men at en likevel bør legge føre-var-prinsippet til grunn. Det er jeg helt enig i. Om aminteknologien, som sannsynligvis er den mest modne teknologien i dag, viser seg å være trygg i et helseperspektiv, vil vi kunne vi få en raskere framdrift i prosjektet enn det som er tegnet opp. Men selv de mest ivrige klimaforkjempere i SV er helt klare på at en ikke kan ta snarveier når denne teknologien skal utvikles, for den skal nettopp være anvendelig. Den skal være tiltrekkende, det er hele poenget. Tusenvis av utslippspunkter rundt omkring i verden må renses i løpet av min levetid. Det er vanskelig nok å få til om ikke unødvendig usikkerhet skal hefte ved prosjektene. Så er det helt riktig, som saksordføreren sier, at at helseproblemstillingen ved bruk av aminteknologi ikke er en ny problemstilling. Det har komiteen omtalt også i forrige periode, men det er like fullt svært viktig å avklare, og det er hele komiteen enig om. Det er veldig gledelig at komiteen er så samlet som den er i denne innstillingen. Jeg slutter meg til rosen av saksordføreren. Det gir forhåpentligvis en forutsigbarhet for dette prosjektet også politisk, som til tider har manglet, og jeg ser at det fortsatt er et lite stykke å gå. Fortsatt er det sånn at ikke alle opposisjonspartier vil forplikte seg til å rense Mongstad og andre store utslippspunkter om de skulle ta over styringen av landet. Men dette er et godt skritt på veien. Jeg merker meg også at komiteen er samlet i ønsket om å heve blikket og se på muligheten for renseprosjekter ved andre store utslippspunkter i Norge. Det mener jeg er et veldig godt og konstruktivt innspill til regjeringen i arbeidet med klimameldingen, og det henger godt sammen, synes jeg, med statsrådens varslede utredning av modeller for store CO2-renseprosjekter i Norge.

CO2-håndtering er et av mange, men viktige verktøy for å få ned de globale CO2 -utslippene. Norge har tjent godt på petroleumsressursene. Det gir oss også et moralsk ansvar for å bidra til å få fram nødvendig teknologi for å fange klimagasser. Det er det vi gjør på Mongstad. Dette er, som flere har sagt, nybrottsarbeid. Det er derfor vi gjør det. Noen må gå i bresjen for å utvikle helt nødvendige teknologier for å bremse skadelig temperaturøkning på jorden. Testsenteret på Mongstad er det første av sitt slag i verden. Den nødvendige velstandsutviklingen utenfor OECD-landene vil medføre betydelig økning i det globale energiforbruket, og fossil energi vil være nødvendig i energiforsyningen Det internasjonale energibyrå har slått fast at det er behov for over 3 000 fullskala renseanlegg i 2050 om togradersmålet skal nås. Arbeidet vi gjør på Mongstad, er en viktig brikke i dette. Regjeringen har en omfattende satsing på CO2-håndtering i tillegg til produksjon av fornybar energi og energieffektivisering i industri og bygg. Vi må stå på flere ben for å nå våre egne klimamål, samtidig som vi utvikler teknologi som vil få internasjonal betydning. Samtidig er det viktig at vi har best mulig oversikt over hvilke andre utfordringer CO2-fangst og -lagring kan medføre. Mulige negative helse- og miljøkonsekvenser ved utslipp av aminer er en av dem, og vi må ha nok kunnskap til å kunne ha trygghet. Helse, miljø og sikkerhet skal ligge til grunn.

Det er viktig med flere prosjekter for CO2-håndtering for å kunne utvikle og kvalifisere teknologiene som trengs. Meldingen viser at arbeidet med prosjektene på Mongstad står sentralt i regjeringens energi- og klimapolitikk. Det er en krevende og kostnadskrevende satsing, men en satsing som kan få store og viktige resultater, ikke bare for de norske klimautfordringene, men for de store globale
Da er neste taler representanten Trine Skei Grande, deretter representanten

Det blir et viktig gjennombrudd for å få ned utslippene i Norge, og når vi lykkes tror jeg verden vil følge etter. Dette er et stort prosjekt for landet. Det er vår månelanding.» Dette var en usedvanlig klar tale fra en statsminister vi kjenner godt. Budskapet ble framført 1. januar 2007, men det kunne kanskje like godt vært holdt første dag i en annen måned. Statsminister Jens Stoltenberg satte seg et mål, men han har flyttet målet sitt – ikke én gang, men to ganger. Jeg tror at regjeringens buklanding på Mongstad vil prege Stoltenbergs ettermæle. Regjeringen har endret strategi og forlatt pionerrollen. Strategien og fokuset for Mongstad-prosjektet er ikke lenger raskest mulig realisering av fangst og lagring av Den opprinnelige tidsplanen for fullskala CO2-fangst på Mongstad ble fastsatt da Statoil fikk konsesjon til bygging av kraftvarmeverket i 2006. Fullskalarensing skulle være på plass innen utløpet av 2014, og investeringsbeslutningen skulle fattes i 2012. Tidsfristene ble satt som vilkår i utslippstillatelsen gitt av Miljøverndepartementet. Som en del av kompromisset i regjeringen ble utslippstillatelsen til gasskraftverket på Mongstad gitt direkte fra Miljøverndepartementet, og ikke fra SFT, slik vanlig praksis er. Det er en svært detaljert utslippstillatelse. Dette skulle være riset bak speilet hvis Statoil vurderte å løpe fra Derfor er det forstemmende å se at den samme utslippstillatelsen nå endres fortløpende av miljøvernministeren fra SV etter hvert som Statoil ber om stadig nye utsettelser. Alle tidskravene i utslippstillatelsen er nå fjernet. I sitt svar fra undertegnede har Miljøverndepartementet oversendt de reviderte vilkårene i utslippstillatelsen fra desember 2010. I den reviderte utslippstillatelsen er de opprinnelige kravene om investeringsbeslutning innen 2012 og fullskala rensing innen 2014 erstattet med følgende formulering: «Det skal etableres fullskala CO2-håndtering fra kraftvarmeverket så raskt som mulig innen rammene for normal industripraksis» Dette må vi si er langt fra en månelanding – dette er normal industripraksis. Derfor fremmer Kristelig Folkeparti i dag forslag om at gjennomføringsavtalen må reforhandles med ny frist for når fullskala rensing skal være på plass og med en insentivstruktur som bidrar til at prosjektet gjennomføres på tid og kostnad. Regjeringen løfter fram helserisiko ved bruk av aminteknologi når de nå begrunner behovet for ytterligere utsettelser av prosjektet. Kristelig Folkeparti deler bekymringen for potensiell kreftfare. Vi er ikke beredt til å gamble med folks liv og helse for å realisere regjeringens fremste prestisjeprosjekt. Faktisk var det Kristelig Folkeparti, ved representanten Laila Dåvøy, som første gang reiste dette spørsmålet i Stortinget ved skriftlig spørsmål i mars 2009. Hun ba om garanti for at regjeringen ikke ville gå inn for en løsning som vil gå på bekostning av liv og helse til innbyggerne i Nordhordland. Undertegnede tok saken videre i Innst. S. nr. 206 for 2008–2009. Faktum er at regjeringen valgte å kjøre videre på samme spor i to år etter at disse bekymringene var kommet fram. Dersom regjeringen hadde valgt å ta disse bekymringene på alvor i 2009, og åpnet opp for alternative teknologier på det tidspunktet, hadde vi i dag vært to år lenger fram i løypa. Nå er vi tilbake til start igjen. Regjeringen varsler fem nye år med teknologikvalifisering, og forspranget som vi hadde i 2006, er nå tapt. Av proposisjonen framgår det også en viss risiko for ytterligere utsettelser utover dette. Representanten Line Henriette Hjemdal har tatt opp de forslagene hun refererte til. Mye er sagt i denne saken allerede, så jeg tar ordet bare til en kort stemmeforklaring. Jeg vil benytte anledningen til å berømme merknadene fra Kristelig Folkeparti i innstillingen. Hadde Venstre sittet i komiteen, hadde vi stått sammen om dette. Vi stemmer følgelig for forslagene fra Kristelig Folkeparti i innstillingen. Kort oppsummert: Venstre står selvsagt fast på rensing på Mongstad og Kårstø, og vi står fast på rensing fra dag én på nye anlegg. Meld. St. 9 gir en bred gjennomgang av CO2-håndtering nasjonalt og internasjonalt. Arbeidet på Mongstad er

Det første steget i arbeidet på Mongstad er byggingen av teknologisenteret. Planleggingen og byggingen har allerede gitt verdifull kunnskap. Testingen som starter neste år, vil gi ytterligere kunnskap om fangst av CO2. Dette vil også være kunnskap om aminutslipp og mulige helse- og miljøeffekter. Vi tror og håper at det ikke vil være negative helse- og miljøeffekter av utslipp av aminer til luft, men vi vet det ikke. Vi er avhengig av å ha trygghet om dette. Forskning de senere årene har framskaffet kunnskap om utslipp og dannelse av aminprodukter. Noe av den kunnskapen er gode nyheter, men det er også avdekket behov for enda mer kunnskap. Vi gjør derfor et betydelig arbeid for å sikre kunnskap, slik at aminteknologi kan tas i bruk innenfor trygge rammer for helse og miljø.

dette arbeidet. Den 5. april signerte staten og Statoil «Steg 2 Utviklingsavtalen». Avtalen er en oppfølging av gjennomføringsavtalen fra 2006, og regulerer statens og Statoils rettigheter og plikter i planleggingsfasen for fullskala CO2-håndtering på Mongstad. Avtalen beskriver hovedtrekkene i det utviklings- og planarbeidet som må utføres for at det skal kunne fattes beslutning om bygging og drift av fangstanlegget. Avtalen er offentlig, og hovedpunktene i avtalen er omtalt i stortingsmeldingen. Jeg vil også redegjøre for avtalens innhold i revidert nasjonalbudsjett. Andre del av Steg 2-avtalen, som skal regulere utbyggings- og Det er partenes felles målsetting at denne avtalen skal inngås innen utløpet av 2013. Jeg vil også sette i gang et arbeid som skal se nærmere på potensialet for CO2-håndtering utover det arbeidet som gjøres på Mongstad. Utredningsarbeidet vil bidra til en oppdatert kartlegging av mulighetene for realisering av fullskala CO2-håndtering i tillegg til prosjektet på Mongstad. Mitt mål er at Gassnova skal gå inn i dette arbeidet med et åpent sinn og snu de steiner som er nødvendig og formålstjenlig. Jeg mener at det er naturlig at Gassnova har dialog med store industrielle aktører på dette feltet i samband med utredningen. Det er viktig at det etableres en god evalueringsmetodikk og kriterier for kartleggingsarbeidet. Ulike geografiske lokasjoner i Norge må vurderes og sammenlignes på en metodisk måte. OED er i ferd med å utarbeide et mandat for dette arbeidet. I den sammenheng har jeg merket meg komiteens merknad om å se på mulighetene for CO2-håndtering ved nye gasskraftverk, ved eksisterende gasskraftverk og ved industriutslipp. Mongstad-prosjektet er et politisk prosjekt. For noen år tilbake trodde vi det skulle gå greit å etablere et fullskala CO2-fangstanlegg på Mongstad. Det har vist seg både teknisk og økonomisk krevende, men jeg er glad for at det er full enighet på Stortinget om at arbeidet som gjøres på Mongstad, er viktig. Regjeringen er opptatt av at fangst og lagring av CO2 skal skje til lavest mulig kostnad, og jeg mener at et bredere teknologikvalifiseringsløp for Mongstad, sammen med utredningen Gassnova nå skal gjøre, vil legge til rette for at aktørene med den beste og mest kostnadseffektive teknologien skal nå fram.

2014. Vi har sendt skriftlig spørsmål for å prøve å få klarhet i hva dette betyr, i forhold til andre aktuelle steder en kan gjøre fullskala renseprosjekter. Men svarene har vært veldig diffuse, og det vitner om at regjeringen, da den svarte, ikke helt visste hva den selv ville. Jeg håper at statsråden nå kan utdype litt mer: Kan vi forvente at f.eks. Industrikraft Møre og Siemens, eller Hammerfest Energi og Sargas, eller andre aktører, kommer på banen og sier at vi er villige til å bygge fullskala no pay», altså: Får de suksess, er det til glede for alle, da skal de få en form for kompensasjon, får de det ikke til, er det på egen risiko. Vil en åpne for dette før 2014, eller har regjeringen lagt bånd på alle alternative prosjekter fram til i hvert fall 2014? For å gjøre det helt klart: Vi anslår at teknologikvalifiseringsløpet kommer til å ta tre år. Hvis det tar kortere tid, så er det til glede for prosjektet og vil muliggjøre en kjappere realisering. Som jeg også sa i innlegget mitt, mener jeg det er naturlig – med det arbeidet Gassnova nå skal gjøre – at man går bredt ut, kvalitetssikrer alle interessante prosjekter, alle interessante teknologier, og ser hva som er mulig å få til. Det som imidlertid ligger fast, er at Mongstad skal gjennomføres. Eventuelle andre prosjekter vil i så fall komme i tillegg til prosjektet på Mongstad. Allikevel: Forstår vi da statsråden rett at det ikke under noen omstendighet er aktuelt for regjeringen f.eks. å kikke nærmere på realisering av Industrikraft Møre og før 2014? Statsråden vektla jo selv, da han var stortingsrepresentant, at gasskraftverk i Midt-Norge er en del av løsningene. Tidligere energiminister Odd Roger Enoksen hadde jo sågar gasskraftverk og rensing som en del av sin løsning på kraftsituasjonen i Midt-Norge allerede i 2006. Og her er det altså en teknologi med rensing, men der en trenger avklaringer på hvordan staten skal bidra i forhold ekstrakostnadene som det medfører. Det er viktig for de aktørene som faktisk kan bidra til å styrke CO2-rensearbeidet i Norge, at de vet hva de har å forholde seg til. Hvis regjeringen mener at ingen prosjekter vil bli vurdert før Gassnova har gjort sitt – og det blir i 2014 – så er det et greit signal. Det er et dårlig signal etter mitt skjønn, men det er likevel veldig klart hva regjeringen egentlig mener. Kan statsråden bekrefte om jeg har fortsatt ting riktig, eller vil han utdype det litt mer? Jeg er usikker på om

Så kommer Gassnova til å få et mandat der jeg sier at det er naturlig, og det er i tråd med en enstemmig innstilling fra komiteen, at man går bredt ut for å se hvilke teknologier som finnes i markedet, om de holder det de lover, og om det er noen av de teknologiene som det er naturlig å gå videre med. Det vil i så fall være noe som regjeringen kommer til å ta opp og melde tilbake til Stortinget i en egen sak. Det som ligger fast, er at Mongstad skal gjennomføres,

var kvalitetssikret på Mongstad etter tre år. Det er vel i så måte kroken på døren for et gasskraftverk med rensing i Elnesvågen, så det var i og for seg oppklarende, om enn ikke spesielt oppmuntrende. men er det noen grense for hva fullskala rensing av Mongstad kan koste før statsråden legger prosjektet på vent? Og er den kostnaden som regjeringen anslår, på 20–25 mrd. kr, innenfor eller utenfor den

før det er gått tre år, og uten at teknologien er kvalitetssikret på Mongstad. Det er i så fall positivt. La meg også spørre statsråden en gang til om det er slik at en kostnad på 25 mrd. kr etter statsrådens mening er akseptabel for rensing av
faktisk opp til enhver å søke om å bygge gasskraftverk i Norge. Det er denne regjeringen for, så lenge man renser fra dag én. Det vi har forpliktet oss til å være med og finansiere, derimot, er gjennomføringen av testsenteret og kvalifiseringsprogrammet på Mongstad. Utover det har jeg nå varslet at Gassnova kommer til å gå inn i sitt videre arbeid med et bredt mandat, et bredt tilfang av teknologier, og det er kunnskap som vi alle har nytte av. Når det så gjelder mine og regjeringens målsettinger med Mongstad, er det å gjennomføre prosjektet. Det er Stortinget som skal ta den store og endelige vurderingen på grunnlag av et beslutningsgrunnlag som vi ennå ikke har. Ambisjonen min er å få ned prisen, og så må vi vurdere når vi er der, hva som er forsvarlig eller ikke. Det kan hende at det er en sum som er forsvarlig, hvis det betyr at vi løser de globale klimautfordringene. Hvis man Mongstad, er det i hvert fall gjenstand for nærmere debatt. Alle regjeringspartienes representanter har i sine innlegg vektlagt CCS som et viktig redskap i verdensdugnaden med tanke på klimaet. Statsråden sa at rensing er sentralt i regjeringens politikk, men statsråden sa også at det vi er i gang med på Mongstad, har ingen gjort før oss. Nei, det er ingen som har gjort dette før oss, og derfor var det en månelanding, men en månelanding er det usikkerhet ved. Statsråden har i replikkordskiftet nå vektlagt teknologiløsninger, men mitt spørsmål går på om statsråden tror at vi har renset Mongstad innen 2020.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

inne i komiteens merknader. Slik gir Fremskrittspartiet også tilslutning til at økningen i klimautslippene er en av jordklodens aller største utfordringer og trusler for framtiden, og at vi må gjøre noe med det. Norge sitter i førersetet når det gjelder å ta ansvar for å utvikle viktig teknologi for CO2-håndtering, og det er jeg stolt av. Så er det jo slik at teknologien ikke utvikles over natten. Det viser erfaringene på Mongstad oss. Selv om prosessen for teknologiutviklingen ikke har gått så smertefritt som mange hadde håpet på, er det viktig å holde fast ved målet vårt om at fullskala renseanlegg på Mongstad vil gi unik erfaring med å etablere CO2-fangst ved allerede eksisterende gasskraftverk. Verden trenger Jeg registrerer at enkelte tar til orde for å flytte teknologiprosjektet fra Mongstad til Industrikraft Møres planer i Elnesvågen i Møre og Romsdal. Jeg er for å realisere gasskraftverket Elnesvågen, men jeg mener det må la seg gjøre uten å avslutte prosjektet på Mongstad. Derfor er jeg fornøyd med at regjeringen åpner for å utvikle flere teknologier i testsenteret ved Mongstad. Dette tror jeg vil initiere et bredt som igjen kan bidra til at flere fullskala CO2-prosjekt kan realiseres raskere, inkludert gasskraftverket Industrikraft Møre. Jeg er derfor veldig glad for det statsråden sa både i sitt innlegg og i replikkordskiftet. Jeg er også glad for at regjeringen og Stortinget har store ambisjoner for å

Nå har Hydro et interessant prosjekt på gang, hvor målet er å fange all CO2 fra elektrolyseprosessen ved framstilling av aluminium. Når denne teknologien er på plass, vil aluminium produsert på ren vannkraft være karbonnøytral. Det vil være et fantastisk framskritt. Men utvikling av ny teknologi hadde aldri kommet dersom ikke myndighetene hadde satt krav til reduksjon og rensing av miljø- og helsefarlige utslipp.

SINTEF-sjefen seier at ein knapt finn ein dyrare stad å byggje fullskala reinseanlegg enn akkurat Mongstad. Det må vere lov å setje spørsmålsteikn ved klokskapen i å byggje det første fullskala fangstanlegget for CO2 frå gasskraft på ein stad der det samtidig er ei rekkje faktorar som gjer det både teknologisk komplisert og svært dyrt. at det er tverrpolitisk einigheit om at teknologisenteret – TCN – som vil vere eit svært viktig og nødvendig bidrag på veg mot ei teknologisk løysing, blir realisert. Representanten Torve misforstår når ho meiner at å flytte Mongstad-prosjektet betyr at teknologisenteret ikkje skal realiserast. Men slik saka står no, ville det mest fornuftige vere å flytte månelandingsprosjektet til Elnesvågen i Møre og Romsdal. Der står Industrikraft Møre klar til å byggje, og Siemens lovar reinseteknologien på plass på vilkår av «no cure, no pay agreement». Sist, men ikkje minst, trengst straumen desperat i dette området. Eit anlegg i Elnesvågen kan stå ferdig før ein har fått teke det fyrste spadetaket på Mongstad, så no bør regjeringa og statsråden kjenne si besøkstid og bidra til at eit gasskraftverk med full CO2-reinsing blir bygd der det er mogleg, og der behovet er størst. Eg fekk i dag mail frå elleve ordførarar på Nordmøre, der dei ber om at prosjektet Ironman blir gitt moglegheit til realisering. Dette vil gi 120 arbeidsplassar på Nordmøre. Det kan dei nok sjå langt etter med energipolitikken til denne regjeringa, sjølv med ein trønder som statsråd.

Mongstad. Det er imponerande å koma dit og sjå dette mangfaldige og høgteknologiske industriområdet, som kvar bidige dag året rundt bidreg sterkt til verdiskaping og arbeidsplassar både i Hordaland og i landet elles. På besøkslista stod også Technology Centre Mongstad. I dag handsamar me Meld. St. 9 om Men saka har òg i seg ein grundig omtale av teknologisenteret, og eg vil nytta høvet til nettopp å peika på det fantastiske og innovative prosjektet som TCM er. Eg har ofte undra meg over den kritikken som har kome mot dette prosjektet. Eg meiner denne kritikken har vore heilt ufortent, og at han ofte har vitna om kunnskapsløyse og i enkelte tilfelle billig retorikk.

Dette er fundamentet for satsing på fangst og lagring av CO2. Gjennom kunnskap og erfaring opparbeidd frå eigne prosjekt vil me i Noreg kunna vera eit føregangsland i denne samanhengen. TCM er det største senteret i verda for testing og forbetring av CO2-fangstteknologi. Når det no vert brukt 5 200 mill. kr – eller om det no skulle verta sånn som representanten Astrup antyda tidlegare: – til dette prosjektet, ja, så må vel det vera den største og djervaste miljøteknologisatsinga i vår del av verda. Eg er derfor glad for at komiteen i sine merknader understrekar den sentrale rolla TCM har i å utvikla kommersiell CO2-reinseteknologi. Den teknologien som no vert utvikla, skal vera ein nøkkel i kampen mot CO2-utslepp – ikkje berre i Noreg, men i heile verda. Lat oss alle hjelpa dei i å lukkast med det. Fullskalarensing av varmekraftverket på Mongstad er

Raffineriet på Mongstad har over tid vært Norges største utslippspunkt for CO2. Raffineriet, før varmekraftverket ble bygd, baserte seg delvis på teknologi utviklet på tidlig 1970-tall. Et raffineri bruker mye energi i produksjonen, mye i form av varme. Mongstad produserte varmen i oljefyrte kjeler. Gasskraftverk som produserer elektrisk kraft, har et relativt hyggelig «avfallsprodukt», og det er Ved ombyggingen av Mongstad ble de gamle oljefyrte kjelene erstattet med varme fra energiverket. Energiverket leverer energi til raffineriet, både i form av elektrisk kraft og varme, og det leverer strøm til Gjøa og inn på det lokale nettet. Energiverket er nå i drift, slik at det kan levere røykgass til TCM. Den røykgassen kan være av ulik kvalitet, med høyt innhold av CO2 og med lavt innhold av CO2. Det gjør det svært godt egnet til forskning. Prosjektet gjennomføres i det man betegner som et varmt anlegg – det er i drift. Det gir særlige utfordringer som man er nødt til å håndtere underveis. For å nå de overordnede målene om reduksjon av CO2-utslipp globalt er det avgjørende å finne teknologier som kan benyttes i eksisterende anlegg. Anslagene fra IEA er et behov for ca. 3 000 fullskala renseanlegg for CO2 innen 2050. Mange av disse må nødvendigvis bygges på eksisterende kull- og gasskraftverk. Det er derfor det må utvikles løsninger som enkelt kan bygges inn i kraftverk som er i drift. Høyresiden ønsker nå å vurdere å flytte fullskalarensingen etter prinsippet «no cure – no pay» og billigste løsning. De argumenterer for at det vil bli billigere å gjøre dette på nye anlegg. Ja, mye mulig det, men gjør vi det, så mister vi viktig kunnskap om hvordan dette kan løses for anlegg som er i drift, og det er de som må renses. Høyresidens utspill om å flytte fullskalaprosjektet bryter opp kompetansemiljøet som nå bygges opp rundt TCM, hvor forskning og industribyggingen ikke bare organisatorisk, men faktisk fysisk er samlokalisert for en gangs skyld. Lokalt vil jeg påpeke at man allerede har tegnet avtaler om bruk av CO2 for industriell utvikling, og det er for å gjøre CO2 om fra avfall og et problem til en industriell ressurs.

Regjeringens salgsbrosjyre i denne saken har ikke tilsvart det produktet de har levert. Da er det faktisk reelt og på sin plass å gi kritikk. Det betyr ikke at en er imot prosjektet, men en kritiserer måten regjeringen har håndtert dette på. Det er noen av oss som synes det er legitimt å reagere når regjeringen sier de skal bruke 6,5 mrd. kr på et prosjekt som de solgte inn til en pris på 1,2 mrd. kr. Rommetveit må gjerne synes at 6,5 mrd. kr er lite penger, men det er altså fem ganger dyrere enn det en lovte til å begynne med. Det er noen av oss som synes det legitimt å reagere når et prosjekt når en prislapp på 25 mrd. kr, der regjeringen sa det skulle koste 5 mrd. kr. Det er en vesentlig forskjell, og det mener jeg det er legitimt å kritisere. Det betyr ikke at vi er imot prosjektet. Det gjorde jeg godt rede for i starten. Det er ikke nytt at dette anlegget er et varmt anlegg, altså på et eksisterende raffineri. Det er ikke noe nytt at det er helseutfordringer. Det er ikke noe nytt at det er et storskalaprosjekt som aldri er blitt gjort før. Det var veldig godt kjent også da regjeringen skrøt i 2007, at dette skulle være på plass i 2014. Det er også en del av historien som Rommetveit må ta med seg. Denne saken viser bl.a. f.eks. SVs flukt i politikken. Der representanten Serigstad Valen nå omtaler regjeringens endringer som kloke, så var representantene Sørensen og Thorkildsen fullstendig i harnisk da Fremskrittspartiet hevdet at det samme var fornuftige løsninger i 2007 og 2009. Tove-Lise Torve snakker om at Industrikraft Møre må realiseres uten å avslutte TCM. Det er ingen her som argumenterer for at vi kun gjør IKM og ikke testsenteret. testsenteret. Det er heller ikke sånn at om du faktisk sier at Industrikraft Møre og Siemens i 2011 kan begynne å bygge et fullskala renseanlegg i Møre og Romsdal, ødelegger du et miljø på Mongstad, som ikke er tenkt ferdig oppbygd før Det betyr bare at du framskynder en satsing, får flere folk til å jobbe med dette nasjonalt enn det du nå gjør. Jeg ser ikke det som negativt. Det som jeg ser som negativt, er at denne regjeringen tviholder sånn på Mongstad at når det kommer andre aktører som Sargas, Siemens og andre som sier at vi kan ta risiko her, men vi må vite at det er en gulrot i andre enden, så sier regjeringen fortsatt nei, dette få dere ikke Det er det som er det bekymringsfulle her. Regjeringen skryter så utrolig av hva de skal få til, men når det kommer andre og mer praktiske løsninger, sitter den musestille og skjuler seg bak Gassnova. Det er faktisk en blå regjering i 2013 som kan få fortgang på dette, i stedet for å sitte og vente til 2014. La meg først si til representanten Rommetveit at prisforskjellen skyldes moms, så

forlate Mongstad, flytte månelandingsprosjektet, og at det vil bryte opp teknologimiljøet på teknologisenteret på Mongstad. Det mener jeg bygger på en grunnleggende feilslutning. Punkt 1: Vår ambisjon om å rense Mongstad står fast, men det kan ikke være for enhver pris.

for andre renseprosjekter i resten av verden. Til det at det skulle være mer relevant å bygge ettermonterbare anlegg kontra det å bygge nye anlegg, vil jeg si at det er verdt å minne om at i Kina bygges det et kullkraftverk i uken. At det da ikke skulle være positivt at man i nye anlegg monterer rensing fra dag én, og at Norge kunne være først i verden med å bygge et fullskala renseanlegg på et gasskraftverk – det ville vært fantastisk og et bidrag til teknologiutviklingen uten sidestykke. Det vil kunne stå ferdig før man stikker spaden i jorden på et fullskalaanlegg på Mongstad. Det er også verdt å ta med seg i den sammenhengen. Så representanten Serigstad Valen var bekymret for Det vil kunne stå ferdig før man stikker spaden i jorden på et fullskalaanlegg på Mongstad. Det er også verdt å ta med seg i den sammenhengen. Så representanten Serigstad Valen var bekymret for at det ville nok helt sikkert bli kostnadsoverskridelser der også. Vel, hvis en privat aktør har lyst til å ta på seg den risikoen og sier at greit skattebetalerne, staten, tar 2 mrd. kr av regningen, og hvis det blir dyrere enn det, må den private kommersielle aktøren ta nedsiden selv. Hvis noen er villig til å ta den risikoen, hvorfor skal vi da stå i veien? Da er vi tilbake til rensekostnad utover kvotepris på andre prosjekter enn Mongstad, eller er det ikke sånn at staten vil gjøre det? Dette er jo et avgjørende spørsmål. I fremtiden vil det være helt nødvendig å rense nær sagt alle punktutslipp i Norge. Vil staten bidra til dette så lenge det ikke er kommersielt lønnsomt og teknologien ikke er tilgjengelig, eller vil de ikke gjøre det? Dette ble vi ikke noe klokere på. Eg vil beklaga overfor representanten

på eit miljøteknologiprosjekt, må me alle vera med og hjelpa det fram og gjera det godt, nettopp òg fordi det vert brukt så mykje pengar. Eg er klar over at 5,2 mrd. kr er veldig mykje pengar, og 6,5 mrd. kr er jo endå meir pengar. Det ser eg. Det som liksom var var mi hovudsak, var å rosa komiteen for at dei er samla i merknadene om at TCM er veldig bra. Det synest eg er ei kjempegreie. Jeg ønsker å benytte anledningen til å gi en liten tilbakemelding til representanten

og nettopp derfor er det viktig å klare å utvikle teknologi i den type anlegg som er rimelig nok til at man kan få implementert den på verk rundt omkring i verden som allerede er i drift. Jeg synes faktisk at representanten Astrup gir den begrunnelsen veldig godt selv. Det bygges i dag ett kraftverk i Kina per dag. Skal vi komme i mål med de framtidige løsningene for å få renset dette her, er det faktisk et stort poeng å klare å rense dem også. Det er vel kanskje den teknologien Norge først og fremst er nødt til å sikre at vi klarer å løse. Jeg setter veldig stor pris på at det er så stor støtte til Mongstad. Det er sånn at jeg begynte med Mongstad allerede i 2004–2005. Dette

for representanten Astrup, og må vel samtidig beklage at det åpenbart er uklart det som ble sagt. Men det Stortinget har kommentert, og det regjeringen har kommentert, er altså bygging av testsenteret på Mongstad. Det er nå et løp for å arbeide fram et beslutningsgrunnlag for et fullskala renseanlegg på Mongstad, og det er en ambisjon om å bygge et fullskala renseanlegg på Mongstad. Så vil Gassnova i tillegg få et mandat. Jeg har i dag varslet at vi kommer til å se hen til de samlede merknadene fra komiteen, som betyr at man kommer til å gå ut bredt for å se hvilke teknologier, i tillegg til dem vi tester ut og driver framover på Mongstad, som det kan være aktuelt å benytte. Jeg har ikke nevnt aktører ved navn, men det er klart, sett fra mitt perspektiv, at Siemens er en interessant aktør i så måte. I tillegg til det skjer det jo andre interessante ting rundt omkring i verden som jeg tror det er interessant for Norge, for Gassnova, å holde et øye med, for å benytte seg av den kunnskapen som akkumuleres på på global basis. Det vi imidlertid har sagt at vi skal betale for å drive framover, og som Stortinget har kommentert, og sluttet seg til, er det som skjer på Mongstad. Så eventuelle prosjekt som kommer i tillegg til Mongstad, har vi altså ikke sagt at vi kommer til å betale for. Det vil i så fall kreve en bevilgning og et ønske om det fra Stortingets side. I den anledning er det jo verdt å legge merke til at heller ikke opposisjonen fremmer forslag i tilknytning til denne innstillingen om at så skal skje. Nikolai Astrup har hatt ordet to ganger og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt.

økonomisk støtte til rensing utover Mongstad egentlig – punktum. Det er oppklarende. Men det er jo på ingen måte ambisiøst på vegne av klima å gå såpass smalt ut som det. Hvis det er slik, som jeg nesten hører statsråden antyde, at det bare står på et forslag fra Stortinget, lar det seg løse, for da kan vi jo fremme et forslag fra Stortinget om at staten skal bidra utover kvotepris til rensing av et nytt gasskraftverk i Norge. Jeg har mange ganger uttrykt støtte og en positiv holdning til vår nye olje- og energiminister. energiminister. Jeg håper at statsråden holder på den oppfatningen han hadde som stortingsrepresentant, nemlig at det er bra med gasskraftverk også i Norge, fordi vi er stolte av gassen vår også i Norge. Grunnen til at det ikke ligger et forslag fra opposisjonen om å si ja til flere gasskraftverk med rensing i tillegg til Mongstad og at staten skal bidra, er at det allerede er fremmet – det er det som er poenget her. Lykkønskninger og god-jul-kort kan vi sende til Sargas og Siemens, og det gjør vi hele tiden – eller i hvert fall hver jul. Poenget er at de må få penger for at det skal være interessant. Det å få heiarop fra sidelinjen hjelper veldig lite når det er penger det stopper på. Når vi ikke fremmer forslag, er det rett og slett fordi vi allerede har fremmet forslag om det i dette stortingsåret. Og vi kan ikke fremme det samme forslaget flere ganger. Når det har blitt nedstemt, har det blitt nedstemt. Statsråden har i hvert fall min fulle støtte til at han kan ta sine innerste drømmer og prøve å realisere dem, for vi vet at det vil være en viktig del av løsningen i Midt-Norge – i hvert fall når man leser hva Odd Roger Enoksen sa i Adresseavisen 25. november 2006. Da sa han at man må ha både fornybar energi, linje og energisparing, men for å løse situasjonen kommer man ikke utenom å inkludere et gasskraftverk med rensing. Staten skulle bidra økonomisk til at det skulle skje, for å få orden på kraftsituasjonen.

Jeg ser ikke poenget med at Gassnova skal kvalitetssjekke alle andres investeringsønsker hvis de selv er villige til å ta den risikoen. Det er jo ikke sånn at Gassnova nødvendigvis sitter med den endelige fasiten på hvilke teknologier som kan realiseres og ikke. Faktisk er det mulig at de som sitter i Sargas, har gjort ting som ingen andre har tenkt på og har funnet opp kruttet på ny, eller at de i Siemens har gjort det. Men det kan også hende at de ikke har gjort det. Det er derfor vi sier «no cure, no pay», nettopp fordi vi ikke skal gamble med skattebetalernes penger på vanvittig mange prosjekter. Men hvis vi kan få til et framskritt her som går raskere enn det vi har planlagt på Mongstad, burde vi juble over det. Derfor viser jeg til hva komiteen sa allerede i 2006–2007 – da tror jeg statsråden satt i komiteen: jeg statsråden satt i komiteen: «Komiteen anmoder Regjeringen om å legge til rette for å få frem ytterligere prosjekter for CO2-håndtering, hvor teknologiutvikling, demonstrasjon og kvalifisering av norsk teknologi kan starte raskt.» Sargas er et sånt eksempel. Det har vi altså ment i fem år nå. Regjeringen har alle fullmakter fra opposisjonen. Jeg håper statsråden også får det fra sine egne i denne salen. Flere har ikke bedt om ordet til sak

energi- og miljøkomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og fordeles med inntil 5 minutter til hvert parti og inntil 5 minutter til medlem av regjeringen. Presidenten vil videre foreslå at det gis anledning til replikkordskifte på inntil fem replikker med svar etter innlegg fra medlem av regjeringen innenfor den fordelte taletid. Videre blir det foreslått at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid,

Når det gjelder å produsere mer kraft i Norge, vil jeg særlig trekke fram avtalen med Sverige om grønne sertifikater. Sammen skal vi produsere 26 TWh ny fornybar kraft. Det er et stort bidrag til kraftsituasjonen, og det vil komme Norge til gode. Fra 2006 til 2009 ble det gitt tillatelser til ny produksjon for 6 TWh per år. er dobbelt så mye som i forrige periode. Vi har doblet saksbehandlingskapasiteten i NVE, og det vil bidra til kortere saksbehandling i slike saker. NVE har også fått beskjed om å prioritere områder med kraftunderskudd. En styrking av kraftsystemet er helt sentralt for å bedre forsyningssikkerheten. Jeg er derfor veldig glad for at regjeringen har fattet gode vedtak for å få på plass en slik styrking.

For Arbeiderpartiet og regjeringen er det viktig at den linjen kommer på plass så snart som mulig. Regjeringen har satset stort på energieffektivitet. Gjennom Enova har det blitt gitt støtte til prosjekter både i husholdninger og i industrien. Fra 2006 til 2011 er det satt av over 8 mrd. kr til en satsing på Fra 2006 til 2009 har Enova gitt støtte til prosjekter som vil spare inn 8,3 TWh per år. Dette er et utrolig viktig bidrag. Regjeringen har satt ned et utvalg som skal se på den langsiktige utviklingen av energipolitikken i Norge. Utvalget består av representanter fra de relevante aktørene i sektoren og skal se på utviklingen av energisektoren fram mot 2030 og Basert på utvalgets rapport kommer regjeringen med en stortingsmelding om temaet. Det gir oss anledning til å ta den store debatten om energipolitikken i denne salen. Vi har fått på plass en del viktige vedtak for utvikling av kraftsituasjonen. For Arbeiderpartiet og regjeringen er

I Stortinget i fjor, den 3. mars 2010, sa statsministeren i Stortingets spørretime: «Så jeg tror at vi som er politikere, må ta ansvaret for utviklingen – enten vi sitter i denne regjeringen eller satt i den forrige – og ikke skylde på et litt diffust marked. Dette er et gjennomregulert system, der politikerne sitter og har ansvaret for det aller meste.» meste.» Det er grunnlaget for denne debatten. Dette er altså ikke bare et marked som har gått amok på egen hånd. Dette er ikke noe som har skjedd plutselig; dette er noe som vi som politikere har hatt sjansen til å styre i veldig, veldig stor grad. Derfor er det også en debatt som må tas i denne sal, når vi vet at kraftsituasjonen fortsatt er anstrengt og vi går mot vinterpriser hele året. fra Arbeiderpartiet sa at løsningen her er mer kraft, mer enøk og mer linje. Det samme kunne vi lese da representanten Borten Moe i august 2006 i Klassekampen sa at kraftsituasjonen skulle være et tema på Senterpartiets gruppemøte, for nå måtte det skje noe. Og det måtte bygges mer kraft og mer linje og drives mer enøk. Løsningen her er ikke ny, det er bare det at en har gjennomført det på en utilstrekkelig måte. Da sier jeg ikke at det ikke har skjedd noe, men det har ikke skjedd nok i forhold til behovene som vi vet er der. Det viser egentlig hvor mye penger Enova disponerer – for så vidt hyggelig for Enova – men det er i realiteten prisen på dårlig samvittighet. Enova hadde ikke hatt den summen penger å bruke hvis vi hadde fått til den politikken som alle egentlig ønsker i utgangspunktet, nemlig grønne sertifikater, fra 2006. Men jeg er optimistisk i forhold til en ny statsråd. Han har nye muligheter. Han kan snu steinene i ruinene av den energipolitikken han har overtatt – og der er det mange steiner å snu. Han slipper kampen om det skal gjennomføres en energimelding. Den forrige statsråden mente det bare var papirarbeid og unødvendig byråkrati, som han skrev i en kronikk som ble publisert på Senterpartiets webside 31. august 2009. Nå vet vi at regjeringen ikke Så vil regjeringen skryte av at nå kommer linjen Ørskog–Fardal på plass, forhåpentligvis i 2015 – det er kjempebra. Det triste er bare at da Statnett var i Ålesund i mai 2006, sa de at den linjen skulle være på plass i 2011. Nå er vi i 2011, og nå snakker vi om 2015. Det er igjen en karakter over regjeringens politikk: forsinkelse og forsinkelse. Ny kraftproduksjon er viktig, fornybar energi er viktig. Jeg stoler på at statsråden her vil kjempe fram en sterkere satsing på vannkraft enn det vi har sett ikke bare når det gjelder opprustning og utvidelse av eksisterende verk, men også når det gjelder å våge å se på nye kraftverk og større kraftverk. Jeg håper statsråden vil gjøre som han sa i Adresseavisen i fjor høst: delegere mer av konsesjonsmyndighetene for småkraftverk til lokale myndigheter. Og jeg håper at statsråden når grønne sertifikater kommer i gang, vil sikre at vi ikke får en propp i at vi ikke får en propp i konsesjonssystemet som gjør at vannkraften blir liggende, mens vindkraften går igjennom – eller der gjerne, uheldigvis, vindkraften også kan bli liggende. Jeg håper statsråden vil gjøre som ha sa i Adresseavisen i fjor høst, nemlig å ta i bruk de mobile gasskraftverkene, hvis de kan påvirke pris. Jeg aksepterer fullt ut at i noen tilfeller, når det ikke er flaskehalsproblemer, vil de ikke nødvendigvis bety mye for pris, det kan bety noe for hvordan vi rasjonerer vannet. Men jeg håper at man i hvert fall følger opp at når det er flaskehalser, skal de mobile gasskraftverkene brukes mer offensivt enn det som er tilfellet i dag. Så håper jeg statsråden sørger for at regjeringen får klarhet i hva de mener med kraftlinjepolitikken. Jeg tror alle er enige om og kan konstatere at det er blitt investert for lite i kraftlinjer de siste årene, men det er jo litt fordi NVEs inntektssystem faktisk belønner dem som ikke investerer i kraftlinjer, men som bare vedlikeholder det som allerede er der. Da er det faktisk et politisk ansvar og ikke nettselskapenes ansvar. Så håper jeg at han blir enig med regjeringen om hva en vil med utenlandskabler. Skal vi være Europas batteri, eller skal vi holde igjen? Det er to ulike retninger. Når det gjelder AMS, altså toveiskommunikasjon, ble også det løftet fram som et skalkeskjul for at mye skjer. Jeg tror ikke det er noen i denne sal som er imot toveiskommunikasjon, men la oss ikke overdrive effektene. Det er mulig at det tar 20 år før vi i det hele tatt får tilbakebetalt investeringen. Da er ikke det et tiltak som reduserer strømregningen, men det er et tiltak som gjør at du blir mer trygg på at du betaler riktig

mellom tilgangen på og forbruket av kraft, som statsråden heilt riktig skriv i brevet sitt til komiteen. Han har også heilt rett i at det er avgjerande at vi har eit rammeverk som gjer oss i stand til å handtere denne typen kortvarige kraftsituasjonar utan at det gir store konsekvensar for forbrukarane av kraft. Høgre er derfor glad for at regjeringa endeleg har bestemt seg for å fremje ei energimelding for Stortinget. Den siste var det dåverande statsråd Einar Steensnæs som la fram for Stortinget, i desember 2003. Det er langt på veg ein skandale at det har teke så lang tid. Statnett viser til at magasinfyllinga denne vinteren var endå lågare enn ho var i 2003, i tillegg til at straumforbruket no er langt høgare. Når situasjonen likevel ikkje er meir dramatisk i dag, kjem det av at vi har betre samband til utlandet og dermed større moglegheiter for import av kraft, i tillegg til at vi har eit

Medan dåverande statsråd Steensnæs la fram ei stortingsmelding om forsyningssikkerheita, har altså dagens olje- og energiminister signalisert ein politikk som vil svekkje vår forsyningssikkerheit. Høgre er fundamentalt ueinig med olje- og energiministeren i dette spørsmålet. Vi meiner at vi treng fleire, ikkje færre utanlandslinjer. Det vil styrkje vår forsyningssikkerheit, fordi vi då kan importere kraft produsert med andre energikjelder når det er tørt og kaldt her i landet, og det er lite vatn i magasina, slik vi har gjort dei to siste vintrane. Det seier seg sjølv at det er grenser for kor lenge vi kan tappe av reservane i vassmagasina. Høgre meiner at Noreg har vore tent med den liberaliseringa av kraftmarknaden som energilova førte med seg. Det at vi har ein open marknad i Norden, i tillegg til kraftutveksling med resten av Europa, gjer at vi er mindre sårbare, fordi vi får tilgang til ein større marknad og meir differensiert produksjon. På same tid treng våre kraftprodusentar ein marknad marknad å eksportere til i periodar med overskot på kraft. Representantforslaget frå Kristeleg Folkeparti inneheld mange gode punkt som Høgre vil slutte seg til. Høgre er einig i behovet for å styrkje overføringssambandet innalands, så vel som å styrkje det nordiske samarbeidet gjennom etablering av nye overføringslinjer til utlandet. Vi er også einige i satsinga på produksjon av ny fornybar energi i Noreg gjennom

Høgre er likevel ikkje einig i alle forslaga. Det gjeld bl.a. å innføre ein parallell til KILE-kostnader dersom eit kraftselskap ikkje er i stand til å levere straum. Det vil vere eit tilbakeskritt når det gjeld energilova. Ein kan ikkje utan vidare overføre prinsippet om KILE-kostnader frå nettet til kraftproduksjon. I motsetning til kraftproduksjonen, som er ein del av ein marknad med fleire konkurrerande aktørar, er nettselskapa Det blir derfor ikkje rett å samanlikne produksjon og nett på denne måten, og etter Høgre sitt syn vil det vere negativt for straumkundane. For å hindre at magasina går tomme, med svært høge straumprisar som konsekvens, bør i staden overføringssambandet til utlandet bli styrkt, slik at det kan bli importert meir kraft når Noreg er i ein underskotssituasjon, og eksportert kraft i ein overskotssituasjon. Kraftproduksjonen i Noreg bør også bl.a. gjennom grøne sertifikat og kortare sakshandsamingstid for konsesjonssøknader om kraftproduksjon og overføringsnett. Dette må det også leggjast til rette for i den nye energimeldinga som er lova ein gong i framtida. Innledningsvis må jeg jo si at det er interessant å høre statsråden bli belært om forsyningssikkerhet og

Og så vil jeg i denne debatten, som i mange tidligere debatter, påpeke at en kilowattime spart alltid er den beste og billigste kilowattimen. De kraftig økte midlene Enova har fått til disposisjon under denne regjeringen, har vært veldig viktige både for industri og husholdninger. Over 8 mrd. kr er gitt de siste fem årene. Det handler ikke, som representanten Solvik-Olsen hevder, om «dårlig samvittighet», men om en stor satsing. De fantastiske prosjektene vi f.eks. har fått til og fått gjennomført i samarbeid med industrien, handler om noe helt annet enn de grønne sertifikatenes virkeområde. På fornybar energi skjer det også mye. Behandlingstiden per sak i NVE er redusert. I perioden 2006 til 2009 ble det gitt tillatelser til nesten dobbelt så mye ny produksjon som under Bondevik II-regjeringen. I 2010 avgjorde NVE fire ganger så mange saker som i 2004 – mye som et resultat av den rød-grønne regjeringens politikk. Enova har tildelt over 2 mrd. kr til vindprosjekter og over 200 mill. kr til prosjekter for demonstrasjon av ny teknologi. Nea–Järpströmmen er på plass, med de økningene i kapasitet det gir. Regjeringen har varslet en ny energimelding, og jeg merker meg at enkelte i opposisjonen beklager seg over at det i forkant av meldingen skal gjøres et grundig faglig arbeid. Dem om det – jeg er glad for at vi gjør en grundig jobb for å skaffe oss oversikt over landets energisituasjon i de kommende tiårene, for det er en stor og og veldig viktig debatt. Et spesielt gledelig tiltak mener jeg er framskyndingen av automatisk måleravlesning. I seg selv betyr dette mer nøyaktig avlesning av strømforbruk, men det gir ikke minst muligheten for det Fremskrittspartiet ikke snakker om, nemlig strømstyring på et helt annet plan enn i dag. Det vil kunne bidra til reduserte effekttopper, lavere forbruk og lavere strømregninger for folk. Jeg registrerer at Fremskrittspartiet harselerer med dette virkemiddelet både i salen og i sine merknader, og jeg anbefaler dem en tur til Malvik, der det lokale e-verket demonstrerer et helt annet potensial i denne teknologien enn det Fremskrittspartiet later til å innse. I denne teknologien ligger det også rom for – om Stortinget skulle være så vist i framtiden å støtte SVs ønske om å utrede det – et flerprissystem på strøm. Det er også grunn til å merke seg opposisjonspartienes bruk av sitater i merknadene. Jens Stoltenberg siteres fra et avisutklipp i 2002, der han uttaler: «En olje- og energiminister skal iverksette kortsiktige og langsiktige tiltak dersom strømprisene gjør slike hopp som vi har sett de siste ukene . Alt man trenger å gjøre, er å montere nye strømmålere og å lage et flerprissystem.» Men det er jo nettopp dette regjeringen nå legger til rette for og gir muligheten til. Olje- og energiministeren redegjør jo nettopp for en rekke kortsiktige og langsiktige tiltak. Flere av forslagene som stilles i denne saken, er ting regjeringen allerede jobber godt med. Fremskrittspartiet får bestemme seg – enten synes de nye og smarte strømmålere er sløseri som bare gir folk en besparelse på det de hevder er en femtilapp i året, eller så får de støtte opp om nettopp det Stoltenberg tok til orde for i 2002, og som regjeringen nå jobber med, i tråd med det statsministeren sa den gangen. Det samme kan sies om forslagsstillernes parti – enten så tar man ansvar for kraftsituasjonen når viktige avveininger skal tas, eller så gjør man ikke det. Da Kristelig Folkeparti styrte Olje- og energidepartementet, kastet de Midt-Norge inn i en alvorlig kraftkrise ved uten betenkeligheter å gå inn for byggingen av Ormen Lange, trass i SVs og advarsler om hva dette ville gjøre med kraftsituasjonen i regionen. Uten dette uansvarlige vedtaket ville situasjonen i Midt-Norge kunne sett ganske så annerledes ut. Det bærer derfor litt preg av avlat når Kristelig Folkeparti såpass kraftig angriper regjeringen i denne saken, og de viser at de har frekkhetens nådegave – Kristelig Folkepartis egen rolle i kraftkrisen tatt i betraktning. Men frekkhetens nådegave er vel også en nådegave! Presidenten er litt i tvil om «frekkhetens nådegave» er et parlamentarisk uttrykk. Regjeringen er svært opptatt av å sikre forsyningssikkerheten for strøm og Regjeringen er svært opptatt av å sikre forsyningssikkerheten for strøm og hindre framtidige kraftkriser. Vi har stor forståelse for den utfordringen høye og ustabile kraftpriser har vært for både næringsliv og husholdninger. Nettopp har vi iverksatt en rekke tiltak for å bøte på situasjonen både på kort og lang sikt, og fokus er på bergensområdet og Midt-Norge, der utfordringene er størst.

for å få gjennom avtalen med Sverige om grønne sertifikater. Den vil føre til et kraftig oppsving i produksjon av ny fornybar energi i begge land. De slunkne vannmagasinene minner oss jevnlig om behovet for å produsere mer kraft, fra både vann, vind og bio. Vi må bruke den kraften vi har, mer fornuftig. Senere i dag vil vi diskutere hvordan vi kan få bygningsmassen til ikke bare å bruke mindre kraft, men på sikt også produsere kraft Samtidig er det også mye å hente i energieffektivisering av anleggsbransjen. Vi har også satt i gang tiltak som gir husholdningene mulighet til aktivt å holde kontroll på sitt eget strømforbruk, og dermed ha incentiver til sparing. Satsing på AMS – automatisk måleravlesing – som flere har nevnt, rulles som kjent først ut i Midt-Norge. Kraften må fram dit den trengs. Derfor har Senterpartiet stått på for å realisere overføringsforbindelse mellom Ørskog og Sogndal, og vi er også utålmodige etter å få Sima–Samnanger ferdigstilt. Samtidig ser vi at også Nord-Norge har behov for bedre nett. Statnett planlegger å investere 40 mrd. kr i nettutbygging, og det er ikke så rent lite. Som vi har vektlagt i tidligere debatter om saken, vil vi gjennomgå rammevilkårene for nedtapping av kraftmagasinene. Vi vil at regjeringen i den nye avtalen med Enova vurderer å endre formålet til også å gi mulighet til styrking av forsyningsbalansen i områder med en anstrengt kraftsituasjon. Hvis olje- og gassnæringen skal utvide produksjonen i underskuddsår, skal de bidra med finansiering av utbyggingskostnader samt mer produksjon inn på nettet. Temaet som tas opp av forslagsstillerne, er stort og komplekst og krever derfor en rekke ulike tiltak. Arbeidet med å styrke kraftforsyningen gir resultater. Regjeringen har nådd mange viktige milepæler i energipolitikken. Senest 4. april i år ble det fattet et delvedtak i byggingen av kraftlinjen mellom Sogndal og Ørskog. Samtidig er det nedsatt et energiutvalg som skal se på den langsiktige kraft- og energiutviklingen. Utvalgets rapport vil bli viktig i det videre

De siste to vintrene har Norge opplevd en svært anstrengt kraftsituasjon med høye strømpriser som varierer etter hvor i landet man bor. Befolkningen i Midt-Norge har opplevd pristopper på 12–14 kr per kilowattime strøm enkelte tider på døgnet. Strømregningen for siste del av 2010 ble tidenes høyeste. Mange strømkunder fikk dobbelt så høy strømregning som på samme tid i fjor. Ifølge siste rapport fra NVE var magasinfyllingen i norske vannmagasiner på slutten av uke 13 18 pst. Det er 21,4 pst. under normalen, og 4 pst. under det laveste nivået som noen gang tidligere er målt. Regjeringen har satt en ny rekord. Økt nedbør og tiltakende snøsmelting har bedret utsiktene noe, men Norge er fremdeles avhengig av høy import av strøm, og vi er svært sårbare for feil. Faren for strømrasjonering er ikke avblåst. Forrige gang Norge opplevde en liknende kraftsituasjon, var vinteren 2002–2003. Den gangen var det Einar Steensnæs fra Kristelig Folkeparti som var olje- og energiminister. Han måtte tåle knallhard kritikk i Stortinget og i mediene for høye strømpriser. Statsråden tålte knallhard Nåværende statsminister Jens Stoltenberg sa til Dagbladet 16. desember 2002: «Jeg er rystet over at olje- og energiminister Einar Steensnæs skyver ansvaret for de høye strømprisene fra seg . En olje- og energiminister skal iverksette kortsiktige og langsiktige tiltak dersom strømprisene gjør slike hopp som vi har sett de siste ukene. Han har mulighetene, men han bruker dem ikke Alt man trenger å gjøre, er å montere nye strømmålere og å lage et flerprissystem.» SV og Senterpartiet fremmet forslag i Stortinget den vinteren om å innføre krav til magasinfylling i vannkraftverkene, og slik hindre energiselskapene i å selge strøm ut av landet. Kristin Halvorsen uttalte til NTB at «det som nå skjer er jo at den kaldeste høyrepolitikken slår rett inn i stuene til folk». Jeg konstaterer at kreativiteten og de lettvinte løsningene, vil jeg legge til, forsvant som dugg for solen – og godt er det – i det øyeblikket de rød-grønne gikk inn i regjeringskontorene. Der olje- og energiminister Einar Steensnæs svarte med en energimelding med konkrete forslag til tiltak samme år som strømkrisen fant sted, har dagens regjering svart med å bytte statsråder. Statsråd Einar Steensnæs svarte med å legge til rette for grønne sertifikater, som skulle være på plass innen 2006. Ja, vi kjenner historien – kanskje 2012. Statsråd Steensnæs svarte med planleggingen av nye kraftlinjer til Bergen og Midt-Norge. Vi kjenner svaret – kanskje 2012–2013. Statsråd Einar Steensnæs svarte med toveis kommunikasjon – ja, vi kjenner svarte en gang i løpet av noen år.

og tydeliggjøre det politiske ansvaret for forsyningssikkerheten. Kristelig Folkeparti mener regjeringen bør ha det overordnede ansvar for forsyningssikkerheten. En handlingsplan for økt forsyningssikkerhet bør fokusere på økt kraftproduksjon, nye kraftlinjer, sterkere satsing på energieffektivisering – spesielt i byggesektoren. Kristelig Folkeparti mener vi må få på plass flere overføringslinjer til utlandet for både å sikre import av strøm når vi trenger det, og samtidig sikre avsetning for overskuddskraft når det regner mye i gamlelandet. Kristelig Folkeparti tar også til orde for bygging av et nytt gasskraftverk i Midt-Norge, forutsatt krav om rensing fra dag én, og at staten tar regningen for renseanlegget. Men dette fikk vi avklaringer på i forrige debatt. For øvrig viser jeg til representantforslaget, og tar også opp vårt forslag som er fremmet i innstillingen. Så til representanten Serigstad Valen som mener at jeg har en nådegave. Ja, kanskje jeg har noen nådegaver. Ikke vet jeg, men jeg vet iallfall at Kristelig Folkeparti har en nådegave i forhold til handlingskraft, både når vi sitter i regjering og når vi sitter i opposisjon. Det er den Kristelig Folkeparti etterlyser å se nå i dagens regjering. Vi kom med forslag i 2002 og 2003, som er de samme forslagene som jeg regner med at neste taler vil gjenta i sitt innlegg, for det har ikke skjedd noe etter fem og et halvt år med flertallsregjering. Det har ikke skjedd noe i den tiden vi har lagt bak oss. Representanten Line Henriette Hjemdal har tatt opp det forslaget hun refererte til. I likhet med Solvik-Olsen slår det meg at jeg har vært med på dette før. Det slo meg også at vi diskuterer snøen som falt i fjor, både bokstavelig og metafysisk. Men jeg ser fram til en viktig debatt om et viktig tema med Stortinget. Forsyningssikkerheten for strøm handler om vår grunnleggende evne til å dekke forbruket av strøm over tid, dvs. utviklingen i produksjon, forbruk og overføringskapasitet. For det norske vannkraftsystemet innebærer dette at vi må ha en kraftforsyning som er robust nok til å tåle de store variasjonene vi opplever i værforhold fra år til år, i dette tilfellet flere år på rad. Samtidig avhenger forsyningssikkerheten av at vi organiserer kraftforsyningen på en måte som gjør oss i stand til å håndtere svikt i nedbøren når slike situasjoner oppstår.

Vi ser i dag at flere regioner har utfordringer med tilstrekkelig produksjon og overføringskapasitet. Nettutbyggingen har en avgjørende rolle i å binde forbruk og produksjon sammen på tvers av landsdelene. Her vil jeg understreke viktigheten av at de planlagte kraftlinjene til bergensområdet, Midt-Norge og Nord-Norge blir gjennomført, i tillegg til noe overføringskapasitet til utlandet.

Jeg mener også at det er nødvendig med nettutvikling i Nord-Norge for å bedre forsyningssikkerheten i den landsdelen, og for å sikre forsyning til planlagt nytt kraftforbruk fra bl.a. petroleumsindustrien. Fjerning av flaskehalser i nettet sørover fra Finnmark vil også legge til rette for økt utnyttelse av et stort vindkraftpotensial i denne regionen. Statnett har konsesjonssøkt en ny 420 kV fra Ofoten til Balsfjord og en ny 420 kV fra Balsfjord til Hammerfest. Vannkraft har mange fordeler, men en utfordring er at produksjonen varierer betydelig over sesonger og år. Det innebærer at vi i perioder vil ha et overskudd på kraft, og i andre perioder et underskudd. For å kompensere for disse variasjonene er forbindelser til utlandet viktig. Landene rundt oss har en bredere og annen sammensetning av kraftproduksjonen enn det Norge har. Gjennom utenlandsforbindelsene kan vi dra veksler på hverandre og hjelpe hverandre når det trengs. Det er det ingen som er uenig i. Det har vi hatt lange tradisjoner for. Men dette er et spørsmål der jeg vil advare mot en svart-hvitt-tilnærming, der man enten er for alt eller mot alt, og gjøre dette spørsmålet til et altfor enkelt spørsmål. Det er viktige avveininger som må gjøres, og Stortinget vil få rik anledning til å diskutere og debattere

I tillegg er vi i samtaler med EU-kommisjonen om hvilke målsetninger vi skal ha i etterkant av fornybardirektivet. Vi deler EUs ambisjoner når det gjelder fornybar energi, og vi er innstilt på å øke vår fornybarandel utover nivået i 2005. Også på området energieffektivisering har det skjedd mye. Enova har utvidet sine rammer betydelig, og man leverer hele tiden resultater. Jeg skal avslutte med å si at

skapt stor bekymring det ministeren sa om at kablar til utlandet bør kuttast for å sikre Noreg låg nok og lik pris på straum. Vi veit at det er store planar for utbygging av fornybar energi i Noreg. Vi veit at det er eit stort potensial for småkraft og anna kraftutbygging, og vi har sett dei siste to åra at vi er svært avhengige av å ha import frå utlandet for å kunne Så mitt spørsmål til statsråden er: Er statsråden villig til både å gamble med vår forsyningstryggleik og til ikkje å utnytte potensialet for produksjon av kraft ved å kutte kablane til utlandet? Som statsråd har jeg aldri sagt at vi skal kutte kablene til utlandet. Jeg vil anta at representanten refererer til en uttalelse som sto i avisen i 2006 som altså er fem år tilbake i tid – og i den grad jeg som statsråd er nødt til å si at jeg er uenig med meg selv som stortingsrepresentant, så måtte det være på akkurat det punktet. Når det er sagt, synes jeg også at vi alle sammen skal være åpne for og ærlige på at dette ikke minst er et spørsmål om dosering. Det er ikke uinteressant om vi har forbindelser til utlandet, eller om vi har 100 forbindelser til utlandet. Det er også et spørsmål om hvilken infrastruktur vi er villig til å bygge ut i bakkant av disse utenlandsforbindelsene, og hvilke formål det er vi skal tjene. Men bare la meg slå fast kategorisk: Forsyningssikkerhet er noe denne regjeringen aldri kommer til å gamble med.

både hva slags kraftproduksjon en har og hvilken forsyningssikkerhet en ønsker å oppnå. Og da er jeg veldig glad for det, for det har vært akilleshælen i den rosen jeg har gitt statsråden før, men da kan vi altså kvittere ut den og satse på at han heller følger opp de andre offensive tingene han har sagt. Men jeg skulle likevel ha hørt hvilke visjoner statsråden har med hensyn til å være Europas batteri – det var en kjernesak både for tidligere energiminister Åslaug Haga og for tidligere energiminister Terje Riis-Johansen. Det ble faktisk fremmet som en av de fremste sakene de skulle jobbe for. Da handler det jo mer om å ivareta energiforsyningen til utlandet enn at vi har til eget behov. Det vil bety en rovdrift på egen vannkraft som vannkraftsystemet vårt i dag ikke er bygd for. Hvilke visjoner og tanker har en i forhold til Europas

det er jo at det er norske hensyn som er nødt til å ivaretas, det er våre behov for forsyningssikkerhet, det er våre behov for å ha god tilgang på kraft til forbrukere og industri, og det er å sikre kraftprodusenter stødige og gode rammevilkår som sikrer nødvendige investeringer, og så byr vår reguleringskapasitet på en del spennende muligheter knyttet opp mot land i Europa som har helt andre utfordringer. Men vi er nødt til å vite hva vi gjør, og gå stegvis framover. Jeg legger til grunn at statsråden mener at han og regjeringen har det overordnede ansvar når det gjelder tilgang på energi, deriblant forsyningssikkerheten. Statsråden sa i sitt innlegg at regjeringen leverer politikk på alle de viktige områdene. Regjeringen kjenner variablene. NVE sier at i uke 13 hadde vi 21,4 pst. under normal magasinfylling. Mitt spørsmål er da: Hvilke nye tiltak har statsråden i ermet som ansvarlig statsråd for forsyningssikkerheten i Norge? Vi kjenner variablene, det er Hvilke nye tiltak har statsråden i ermet som ansvarlig statsråd for forsyningssikkerheten i Norge? Vi kjenner variablene, det er helt korrekt, men det er ikke alle variablene vi kontrollerer. Og nedbørsmengden i de delene av landet der vi har magasin og kraftproduksjon, er én av de variablene vi ikke er i stand til å kontrollere. Det hadde vært fristende å ha den kontrollen, men foreløpig er det ingen som har fremmet konstruktive forslag til Det hadde vært fristende å ha den kontrollen, men foreløpig er det ingen som har fremmet konstruktive forslag til hvordan det rett og slett skal oppnås. Så vårt svar på det er selvsagt å gjøre det norske kraftforsyningssystemet mindre avhengig av variasjoner i nedbør, selv om jeg tror at vi i et system som vårt, er nødt til å akseptere at kraftproduksjonen varierer mellom våtår og tørrår. Stort sett er vårt vannkraftsystem en stor glede og en stor styrke for det norske samfunnet. Og da dreier det seg om de tingene jeg snakket om: økt overføringskapasitet, økt produksjon og et økt fokus på hvordan vi forvalter de

Så har regjeringen selv tidligere valgt å ha mobile gasskraftverk som en viktig del av beredskapen sin. Jeg er uenig med regjeringen i rekkefølgen, at en heller skal stenge ned industri enn å starte opp de mobile gasskraftverkene. Men kan jeg allikevel håpe at statsråden står ved stortingsrepresentant Borten Moes prioritering fra i fjor høst, om at de mobile gasskraftverkene skal kunne brukes mer offensivt enn i dag hvis de kan bidra til å påvirke strømprisene i en region? Jeg respekterer og aksepterer at statsråden helst ikke vil ta dem i bruk hvis en ikke er til stede, og dermed ikke påvirker prisene vesentlig. Men i en del tilfeller kan det skje. Da er det ikke nødvendigvis sånn at det er fare for at det går i svart i dag som ligger til grunn, men ønsket om å rasjonere vann og ikke minst ønsket om å spare strømkundene i en region for veldig høye strømpriser som følge av en feilslått energipolitikk. Først må jeg få korrigere representanten Solvik-Olsen på det siste. Det er ikke som en konsekvens av en feilslått energipolitikk at vi nå har lav fyllingsgrad i magasinene våre. Det er på grunn av kombinasjonen lite nedbør og svært mye kulde, og dermed et litt for høyt forbruk. Så regner jeg med at heller ikke Solvik-Olsen har som utgangspunkt i denne debatten at det er et mål i seg selv å skru på de mobile gasskraftverkene. Man kan si hva man vil, men de forurenser noe mer enn vanlig har lav virkningsgrad. Så det er noe som vi er nødt til å prøve å unngå. Det er feil at vi stenger ned industrien. Vi bruker muligheten til å kjøpe energiopsjoner. I situasjoner der alternativet er rasjonering, altså tvungen nedstengning, er reglene slik i dag at vi har mulighet til å kjøre denne reservekapasiteten. Jeg håper at vi slipper å gjøre det, at vi får et forsyningssystem som er robust nok til at slike situasjoner ikke oppstår. Skulle vi imidlertid komme dit, vil vi selvsagt alltid diskutere formålstjeneligheten ved inngangsetting, men politikken ligger altså fast, ikke endringer … Jeg har to statsråden. Statsråden har uttalt at han ønsker lik pris på strøm i hele landet. Mener han det vil svekke eller styrke forsyningssikkerheten? Det var spørsmål 1. EU har stor innflytelse også på norsk kraftpolitikk, og Norges selvpålagte utenforskap fra det viktigste politiske fellesskap i vår del av verden gir oss dessverre ikke den samme innflytelse over den politikk som EU utformer. Men likevel,

Hvis Høyre mener det er feil, ser jeg fram til at man presenterer årsaken til at man ønsker ulik pris, hvor man i så fall ønsker at folk skal betale mer, og hvorfor man mener at det er riktig. Jeg mener at Norge er en nasjon der vi bør tilstrebe å ha et velfungerende elmarked. Det var for øvrig Senterpartiet som innførte dette elmarkedet. Når det

har en taletid på inntil 3 minutter. Representantforslaget vi behandlar i dag, er eit viktig og tidsaktuelt tema som regjeringa i altfor lang tid har ignorert. Resultatet av dette ser vi i rekordlåge vassmagasin og like rekordhøge straumprisar, trass i for høgt importvolum frå våre naboland. Når statsråden seier at tomme magasin ikkje er eit utslag av feilslått politikk, er det fullstendig feil, for dei låge og tomme magasina er eit eksempel på manglande eigenproduksjon innafor grensene, spesielt i At regjeringa inntil nyleg fann det uaktuelt å kome med ei energimelding til Stortinget, viser denne regjeringas mangel på rammevilkår for næringslivet og konsekvensane av det. Arbeidet med meldinga burde ha kome langt tidlegare, slik at nødvendige tiltak kunne setjast inn for å bøte på straumkrisa denne regjeringa har skapt. Då held det ikkje ikkje at representantar frå SV finn våre kritiske innlegg såkalla surmaga og grinete. Det seier meir om SVs evne og vilje til å gå inn og ta vare på industriarbeidsplassane som vi har, noko vi berre må konstatere at dei har vore lite opptekne av, trass i at vi eksempelvis har den reinast produserte aluminiumen i verda basert på Kristin Halvorsen uttalte følgjande til NTB 4. januar 2003, som også representanten Hjemdal var inne på: «Nå må vi gå skikkelig gjennom energiloven, for det som nå skjer er jo at den kaldeste høyrepolitikken slår rett inn i stuene til folk.» Aldri har utfordringane vore større, etter at SV har sete i regjering i snart seks år. Så kvar er SV sine løysingar for dette no? Arbeidsplassar går tapt, og talet på fattige er rekordhøgt. Den relative prisen er betydeleg høgare no enn då Halvorsen indignert slo til verbalt. Derfor er det umåteleg viktig at regjeringa tek inn over seg dei grunnleggjande utfordringane i kraftmarknaden, nemleg mangel på ny produksjon, mangel på overføringsliner og stadig aukande energiforbruk. Noreg treng no ein forpliktande plan for å sikre forsyningssikkerheita for straum og hindre Fleire vintersesongar med ein anstrengjande kraftsituasjon og høge straumprisar krev politisk handlekraft. Først og fremst må det byggjast ut meir kraftproduksjon, nye kraftliner som tek ut flaksehalsar i kraftsystemet, og sterkare satsing på energieffektivisering, spesielt i byggsektoren. Stat og fylke er jo dei største byggherrane, så det handlar kanskje om å begynne i sin eigen bakhage. Så representanten Serigstad Valen har store moglegheiter. Spørsmålet er berre om dei blir effektuerte. Når enkelte peikar på at Når enkelte peikar på at dei såkalla intelligente straummålarane skal gi eit viktig bidrag til å redusere energiutfordringane, er det ei sanning med visse modifikasjonar. Dei vil bidra til å redusere effekttoppar, men ikkje totalforbruk dersom dei fungerer etter intensjonane – og det er ein føresetnad – men det er det fleire av energiselskapa som har uttrykt skepsis til. Jeg skal først gi representanten Hjemdal helt rett – Kristelig Folkeparti har jo vist handlekraft, og

dag, merknadene til Kristelig Folkeparti og innleggene så tydelig bærer preg av at dette egentlig er et prosjekt for å gjenreise Steensnæs' ettermæle som olje- og energiminister, blir jo fjorårets snø litt relevant, spesielt når forslagsstillerne for det første ikke synes å være interessert i å erkjenne at mange av forslagene er del av regjeringens politikk allerede, for det andre at regjeringen gjennomfører god energisparings- og fornybarpolitikk i langt høyere tempo enn det Steensnæs noen gang klarte, og for det tredje at regjeringen har varslet en ny energimelding og nye diskusjoner om nettpolitikk. Til representanten Grimstads polemikk om industrien og SV er det vel bare å replisere at Fremskrittspartiets totale dereguleringspolitikk nok ikke vil være noen gavepakke til norske arbeidsplasser. arbeidsplasser. Når det gjelder utslagene av de store svingningene i strømprisen, er det nettopp SV i den rød-grønne regjeringen som har sørget for å styrke bostøtten betydelig i de månedene strømprisene er høye – et tiltak som fungerer langt mer effektivt enn Fremskrittspartiets forslag om avgiftslette, som partiet selv vet ikke vil fungere, men som gjør seg mye bedre til populistiske avisoppslag. Så fortsetter diskusjonen om automatisk måleravlesning, og jeg merker meg at Fremskrittspartiet overhodet ikke har troen på dette virkemidlet. De sier at dette ikke vil redusere forbruket i det hele tatt. For det første åpner automatisk måleravlesning for et system der man kan betale spotpris, og der reduksjonene på effekttoppene vil ha helt konkret effekt på For det andre merker jeg meg at representanten Grimstad er av den formening at hvis forbrukerne har en skjerm på kjøkkenet der det står hvor mye strøm man bruker til enhver tid, vil det ikke ha påvirkning på strømforbruket til kunden. Det er i så fall det motsatte menneskesynet av det Fremskrittspartiet vanligvis forfekter, der mennesket bare er en rasjonell, økonomisk aktør som først og fremst er opptatt av å maksimere egen økonomisk vinning i hverdagen. I stedet har Fremskrittspartiet lagt seg på en linje der staten skal ordne alt, og det synes jeg egentlig er gledelig, men jeg stiller spørsmål ved om Fremskrittspartiet fortsatt er sin liberalistiske politikk tro. Jeg håper jeg har rett i at Fremskrittspartiet har fullført reisen fra et en gang så uansvarlig ytterliggående høyreparti på den økonomiske aksen, til et parti som erkjenner at det er behov for offentlig styring. Det er underholdende å høre på representanten

Det som er argumentet for Fremskrittspartiet, derimot, er at når regjeringen prøver å gjøre dette til et av de store tiltakene som skal gi folk lavere strømregning, viser det seg at det sannsynligvis ikke er tilfellet. Det er noe som man må ta inn over seg. Hvis en skal spille på effektprisingen her, som Serigstad Valen sier, er det altså gjort klare beregninger som viser at prisvariasjonene i døgnet i Norge er så små at året. Det å investere 2 000 kr for å spare 50 kr i året er ikke nødvendigvis en god investering. Når det gjelder Malvik Everks pilotprosjekt på 41 brukere, er det verdt å merke seg at besparelsene der ikke kom på strømprisen, men på nettleien. Da handler det litt mer om hvilken nettpolitikk kraftselskapet har ført, ikke at en sparer mye strøm. Vi skal også huske, med tanke på noen av de tidligere innleggene her, at når man skryter av Enova, som har fått mye penger, skal man huske at det var ikke en del av planen til regjeringen fra Soria Moria I-erklæringen. Det var en konsekvens av at den kludret det til med grønne sertifikater, og da ble dette en subsidiær tilnærming fordi man ikke fikk til den politikken som alle ønsket. Det er også verdt å understreke at alle partiene på Stortinget har støttet den bevilgningen som har vært til Enova, så det er altså ikke regjeringen som har gjort dette på tross av opposisjonen, men i samarbeid med opposisjonen. Det synes jeg også regjeringen kunne merke seg seg – i hvert fall de fra regjeringspartiene som deltar i denne debatten. Jeg forsto rett og slett ikke hva representanten Serigstad Valen snakket om da han snakket om Fremskrittspartiets dereguleringspolitikk. Det må være en konstruert situasjon. Men når han skryter av at SV var det partiet som kjempet for bostøtte,

strømpris. Det er faktisk det man skal måles opp mot her. Representanten Serigstad Valen og andre kan skryte så mye de vil av alt det de mener at regjeringen gjør, men det vi ser nå, er at vi får vinterpriser på strøm om sommeren. Det tyder på at regjeringen ikke har gjort det som den burde ha gjort. Man har ikke gjort det som opposisjonen i seks år har fremmet forslag om at den burde ha gjort, og da er faktisk ansvaret på regjeringens hender. Jeg skjønner at Kristelig Folkeparti med dette forslaget treffer en øm tå hos representanten

Det var Kristelig Folkeparti i regjering som tok initiativ til grønne sertifikater i 2002–2003. Det var Kristelig Folkeparti, med Høyre og Venstre i klimaforliket 2007, som presset tidligere statsråd Åslaug Haga til å oppta forhandlingene om grønne sertifikater. Det var Kristelig Folkeparti i regjering som satte vindkraftmål – 3 TWh. Vi var nesten 50 pst. på vei da vi gikk ut av regjeringslokalene i 2005. SV i regjering har skrinlagt dette målet. Ja, når vi mener at politikken blir uthulet, er Kristelig Folkeparti handlingskraftige også. Vi valgte da å gå ut av regjering for å stå for politikken vår. Det gjorde vi i 2001, til forskjell fra SV, som brøt sitt løfte til velgerne om rensing av alle gasskraftverk fra dag én, da de i 2006 inngikk avtalen mellom staten og Statoil. De brøt den samme avtalen i 2009, og de gjør det i salen i dag når det gjelder endringen i utslippstillatelsen, der det nå heter at 2014 er passé, og det er normal industripraksis som legges til grunn. Man må jo spørre når «normal industripraksis» har reddet klimaet: Er det ikke politikere som har hatt en visjon, som har vært med på å redde klimaet – og så har industrien blitt med på lasset? Jeg har et par korte merknader til representanten Solvik-Olsen. Det er først og fremst

kommer det jo veldig an på folk selv. Det er ikke et påbud, men en mulighet til å få kontroll over egen strømregning og eget strømforbruk på en helt annen måte enn i dag. Det tror jeg er grunnleggende positivt. Det vil gi incitament til at man tenker seg om. Kanskje enda viktigere er konsekvensene knyttet til nettleie. Hvis du får et velfungerende både i næringslivet og i private husholdninger, vil du oppnå to effekter. For det første utnytter du eksisterende infrastruktur bedre. Det gjør behovet for nye investeringer mindre, noe som igjen selvsagt sparer kostnader for samfunnet, og dermed for forbruker. I tillegg vil du ha den effekten at hvis du reduserer topplasten, reduserer du også strømtapet i nettet, som igjen vil gi akkurat den samme effekten. effekten. Fasit er at jeg tror at AMS rett og slett har et potensial utover det Fremskrittspartiet ga uttrykk for fra denne talerstolen. Jeg tror rett og slett at dette kunne vært – ikke hele svaret, men – en ganske viktig bit av den totale kaka når det gjelder hvordan vi skal møte disse utfordringene i framtiden. Når det gjelder bostøtte, skal jeg nøye meg med å si at her leverer regjeringen varene. Man fattet vedtak i Stortinget i vinter. Jeg var saksordfører for den saken. Folk fikk disse pengene da strømregningen kom, og jeg vil si at det er interessant at opposisjonen allerede før jul var klar over at både vær- og føreforhold kom til å bli av en sånn karakter at det kom til å bli behov for denne bostøtten. Men da vi hadde fått konstatert faktum, leverte vi altså når behovet var der. Så kan vi i hvert fall være enige om at det er bra, det er vår jobb, og i dette tilfellet er jobben gjort. Ketil Solvik-Olsen har hatt ordet to ganger og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Når det gjelder bostøtte: Ja, opposisjonen hadde faktisk en analyse, for vi så Ja, opposisjonen hadde faktisk en analyse, for vi så på fyllingsgraden allerede i fjor høst at det gikk dårlig. Faktisk sa forrige energiminister, Terje Riis-Johansen, allerede for ett år siden at denne vinteren ville bli verre enn forrige vinter, så regjeringen hadde selv trengt en analyse et år før tiden om hvordan dette ville bli. Likevel fulgte de ikke opp med å være føre var med bostøtte. Men at regjeringen snudde og kom etter, var kjempebra. Det skal de ha ros for. Når det gjelder AMS: At en wattmåler vil gjøre folk bevisste, er veldig bra. Det støtter jeg, og jeg tror også det er flere som vil spare litt penger. Men jeg vil ikke gamble sånn som regjeringen på at effekten skal være så stor som de tror. Det er mange andre tiltak som er mye viktigere. Og det å late som om AMS er det store her, tror jeg rett og slett ikke på – med mindre regjeringens politikk er at det skal være større svingninger i pris natt og dag enn det det er i dag. Men jeg trodde faktisk at regjeringen hadde lagt opp til at det skulle være en jevnere pris,

innenfor den fordelte taletid på inntil fem replikker med svar etter innlegg fra medlem av regjeringen. Videre blir det foreslått at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletiden, får en taletid på inntil 3 minutter. – Det anses vedtatt. Representanten André Oktay Dahl får ordet på vegne av sakens ordfører,

å ha en gjennomtenkt energibruk, er noe vi deler. Det er både miljøvennlig og fornuftig ressursbruk og godt for forbrukernes lommebok – dog under forutsetning av at man ikke tvinger fram tiltak der man bruker én krone for å spare ti øre. Kostnader og målsetting må stå i sammenheng. Det er viktig når Enova skal vurdere sin virkemiddelbruk. Komiteen vektlegger at du må ha mangfold og fleksibilitet i løsningene som fremmes. løsningene som fremmes. Løsningene vil måtte variere i tråd med byggets funksjon og lokalisering. Små leiligheter i Oslo vil ha andre behov for løsninger enn gamle trehus i Gudbrandsdalen eller i Finnmark. Da må vi åpne for å se på ulike teknologier, ulike virkemidler, og ikke være stivnet på enkeltteknologier, slik vi har Bygg med stort varmebehov må behandles på en annen måte enn bygg med lite varmebehov. Ulike løsninger vil måtte kunne brukes ulike steder, rett og slett fordi at har du lite varmebehov, vil du ikke kunne forsvare en stor utbygging av vannbåren varme f.eks. i et sånt bygg. Komiteen mener at en skal skille tydelig mellom det som handler om energieffektivisering, og det som handler om energiomlegging. Det er et viktig signal. Komiteen vektlegger også at en må kunne se på energibehovet i et større område i sammenheng, f.eks. å se på kjølebehov versus varmebehov i ulike bygg i nærheten. I Rogaland, der jeg kommer fra, etableres det et industriområde på Kviamarka, der meierivirksomhet og andre nettopp klarer å utnytte hverandres varme- og kjølebehov på en optimal måte. I Lørenskog ønsker Selvaagbygg å ta initiativ til å gjennomføre et større utbyggingsprosjekt som et forbildeprosjekt for en helhetlig miljøsatsing. Planen er at Lørenskog miljøby skal omfatte 1 200 boliger, 40 000 m2 næringsareal, skole og jernbanestasjon. Kommunedelplanen ble vedtatt høsten 2010, og løsningen går ut på å etablere integrerte energi- og miljøsystem, slik at energi ikke går til spille, men kan Problemet er at virkemiddelbruken i Enova ikke er innrettet mot så store og omfattende prosjekt. Derfor håper jeg at statsråden tar med seg det fra denne debatten neste gang han snakker med Enova: å kunne se på ikke bare ett og ett bygg, men å se på større prosjekt der flere bygg kan henge sammen. Selvsagt skal ikke Enova gå inn og ta Enova gå inn og ta ansvaret, men Enova må kunne være åpen når ulike aktører som har funnet hverandre, kommer sammen til Enova. Komiteen gir uttrykk for en meget positiv holdning til Enovas prosjekt kalt framtidens bygg. Opposisjonen vektlegger at en her må favne om både store og små aktører, og ikke bare la de få veldig store aktørene få slippe gjennom nåløyet hos Enova. Jeg håper statsråden også lytter til det, selv om det ikke er et flertall som sier det. Komiteen er positiv til at det offentlige skal være en drivkraft for gode demonstrasjonsbygg, for både fornuftig og energieffektiv teknologi, som da kan demonstreres. Komiteen imøteser også NVEs evaluering av energimerkeordningen for bygg, og ønsker at en vurderer et eget energimerke for Komiteen ønsker i større grad å legge til rette for at hus skal kunne bli strømleverandører. Vi i Fremskrittspartiet får henvendelser fra folk som ønsker å bygge slike hus, men opplever at prosessene for å få det til er så omfattende at de som en enkelthusholdning ikke orker den prosessen. Posisjon og opposisjon ordlegger seg ulikt i innstillingen, men essensen fra alle at vi ønsker at dette skal bli enklere, og jeg vil håpe at statsråden tar et initiativ til det. Så vil jeg også fra eget hjerte bare påpeke dette med energisparing, at Enova har en masse virkemidler. Men når det gjelder energisparing i enkelthusholdninger, er virkemiddelbruken relativt smal. Etterisolering og utbytting av vinduer er f.eks. ikke ordnet. Billigere tiltak som flere husholdninger hadde hatt råd til, er også ekskludert, f.eks. luft-til-luft varmepumper og vedovner. Hvis målet er å få et volum,

Derfor må vi ha rammevilkår, støtteordningar og andre verkemiddel som stimulerer til ei slik utvikling. Dette er det, som saksordføraren sa, brei politisk einigheit om. Det er ein politisk intensjon å redusere energibruken i bygg. Vårt verktøy for å få dette til er Enova. Det er jo høgst relevant å spørje om Enovas tiltak og støtteordningar er optimale for å få ei ønskt utvikling.

Enova er underlagt mål- og resultatstyring og må halde seg til gjeldande avtale med staten. Mellom anna skal Enova bidra med auka fornybar varme- og energiproduksjon og energisparing tilsvarande minimum 18 TWh i året innan utgangen av 2011. Det er sjølvsagt viktig at staten vurderer om vi oppnår det vi ønskjer med Enova når avtalen skal fornyast frå neste år. Det same gjeld i dei årlege tildelingsbreva. Eg må vedgå at eg har opplevd Enovas avslag på enkeltprosjekt på ein slik måte at som når Enova, med å vise til sitt reglement, ikkje kunne bidra med midlar til energilab på Otta vidaregåande skule, eit prosjekt som ville fremje både kompetanse, forståing og haldningar med omsyn til korleis bygg kunne energieffektiviserast. No meiner eg likevel at Enova i stor grad allereie er imøtekomande når det gjeld dei forslaga som Sidan 2001 har Enova brukt om lag 1,4 mrd. kr til energieffektivisering i bygg, noko som gir eit forventa energiresultat på om lag 2,7 TWh. Eit av tiltaka her er ei investeringsstøtte til lågenergibygg og passivhus. Dette gjeld alle bygningskategoriar – òg einebustader. Vi er likevel berre i startfasen for lågenergi- og for lågenergi- og passivhus. Her vil og bør nok aktiviteten auke når ein haustar meir erfaring og kunnskap med desse hustypane. Den som ønskjer å byggje såkalla plusshus, kan òg få støtte gjennom programtilbodet for passivhus og lågenergibygg. Det blir òg gitt støtte til enkeltelement som bidreg til at det kan bli eit såkalla plusshus. Eit plusshus kan i periodar levere straum til nettet, og det er då viktig å ha eit mest mogleg ubyråkratisk regime for at så kan skje. Som det går fram av statsrådens brev til komiteen, er det frå NVE si side allereie opna for unntak frå kravet om omsetnadskonsesjon, og det er òg på andre måtar forenkla prosedyrar i høve til ordinære Forslagsstillarane ber òg om at regjeringa snarast sørgjer for at minst eitt statleg byggjeprosjekt blir eit plussbygg. Eg merkar meg at fleire statlege verksemder no legg stor vekt på energieffektivisering ved ombygging og fører energieffektivitet inn i bygga sine. Eit energimerkesystem er òg innført. Om det er optimalt, vil bli vurdert når ordninga har fungert eit års tid. Arbeidarpartiet er einig med forslagsstillarane i at vi skal ha eit offensivt verkemiddelapparat for å stimulere til energieffektivisering i bygg, òg når det gjeld produksjon av energi i bygg, òg når det gjeld produksjon av energi i såkalla plusshus. Det meiner eg at regjeringa jobbar godt med, og eg tek derfor opp mindretalsforslaget som står i innstillinga. Representanten Torstein Rudihagen har tatt opp det forslaget han refererte til. Norge er

Forslagsstillerne har meget gode forslag til hvordan vi kan gjøre noe med energiforbruket i nye bygg, og hvordan vi skal bidra til å fremme ny teknologi som vil stimulere til bygging av både energigjerrige og energiproduserende bygg. Men like viktig som å satse på energiproduserende bygg er det å sette inn energieffektiviseringstiltak i eksisterende bygningsmasse. SINTEF Byggforsk anslo i 2009 at energisparingspotensialet i byggsektoren alene utgjorde 12 TWh i perioden 2010–2020. Det tilsvarer energiforbruket til Det tilsvarer energiforbruket til 600 000 boliger. Arnstad-utvalget, som la frem sin rapport i fjor sommer, har anslått et energisparingspotensial i omtrent samme omfang som SINTEF. Det er med andre ord mye energi å hente på å spare energi – og den billigste og mest miljøvennlige energien er som kjent den Selv om de fleste energieffektiviseringstiltak er selvfinansierende over tid, er det svært mange tiltak som likevel ikke utløses. Grunninvesteringen utgjør en terskel som mange ikke har anledning til å tråkke over. Derfor er det nødvendig å legge til rette for energieffektivisering gjennom offentlige virkemidler som f.eks. skattelette for energisparetiltak i egen husholdning, rettighetsfestet direkte støtte tilvarende den modellen Oslo har, eller hvite sertifikater. Så langt har regjeringen ikke bestemt seg for noen av disse tiltakene. Det er ikke godt nok. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt. Staten bør ha gode forutsetninger for å gjøre veldig mye. Dessverre viser erfaringene med det nye regjeringskvartalet, R6, at det sitter langt inne for staten å være et forbilde innen energiøkonomisering. Statsbygg planla kvartalet til et middelmådig energimerke og overlot til private som Storebrand og Bellona å være ambisiøse. Høyre støtter helhjertet forslagsstillerne i deres krav om at staten selv tar ansvar for å fremme og implementere ny teknologi knyttet til energieffektivisering og energiproduserende bygg. Det er ikke et krevende krav som fremmes når forslagsstillerne ber om at minst ett statlig byggeprosjekt bør være et plusshus. Derfor bør det kunne innfris, og derfor er det desto mer påfallende at regjeringspartiene ikke slutter seg til komiteens flertall. Å bruke Enova som et instrument for å fremme demonstrasjonsprosjekter for plusshus i alle størrelser er også en god tanke og en interessant måte å omdefinere Enovas rolle i kjølvannet av de grønne sertifikatene vi må håpe at regjeringen innfører fra nyttår. Muligheten for å selge strøm inn på nettet vil også gi et sterkere incentiv for etablering av plusshus, og Høyre støtter forslaget om raskere og enklere saksbehandling. Statsråden har ikke viet energieffektivisering og energiproduserende bygg særlig oppmerksomhet så langt – men det er jo vanskelig å kritisere ham for at han ikke ble utnevnt tidligere. La oss derfor håpe at han vier oppmerksomhet til dette området i tiden som kommer, og at han følger opp både Arnstad-utvalgets rapporter og forslagsstillernes gode

Rekordmange prosjekter er gjennomført, og rekordstore bevilgninger er gitt. Enova har egne ordninger for prosjekter som omfatter passivhus og lavenergibygg. De bidro også i arbeidet med en egen standard for passivhus. Dette er ganske nytt farvann for alle, og derfor er det egentlig ikke så dårlig at drøye 4 pst. av Enovas samlede støtte går til passivhusprosjekt. Noen vil

Dit er det ennå et stykke, kanskje først og fremst fordi vi fortsatt ikke akkurat har fullt ut opparbeidet kompetanse på plusshus og passivhus. Men det vil komme. Derfor kan man også søke Enova om støtte til utprøving av teknologier som gjør passivhus til plusshus. Det er ikke mange som gjør dette i det hele tatt, men de finnes, og de fortjener honnør. Det anerkjenner også Enova, og derfor har de kunngjort prosjektet fremtidens bygg, med sikte på å gi et bedre tilbud til disse pionerene. Det tror jeg er helt nødvendig, og det er en innstilling som absolutt bør belønnes. Så har det begrenset effekt for eieren av bygget om du ikke kan levere overskuddsstrømmen din noe sted. Derfor kreves det unntak fra konsesjonskravene for å levere strøm til nettet. Og det er gitt. Men også her vil jo potensialet forsterkes betydelig om automatisk måleravlesning, som vi har diskutert mye tidligere i dag, er en standard i de fleste bygg. Jeg tror faktisk det er en helt sentral forutsetning. Et lite kjent faktum er at alle i dag kan kreve toveiskommunikasjon, kreve automatisk måleravlesning, om de kontakter sitt nettselskap. Så bør vi også tenke enda videre. videre. Enkelte medlemmer i komiteen fikk et innblikk i en av framtidens muligheter da vi besøkte Mitsubishi i Nagoya i Japan i fjor. Når elbilandelen utgjør en betydelig masse i bilparken, vil man kunne bruke bilene som regulering når de står. Det vil igjen gi enda bedre ressursbruk, økonomi og miljøeffekt, om de virker i kombinasjon med plusshus. Det kan høres ut som science fiction, men jeg tror ikke det ligger veldig langt fram i tid.

at det er naturlig å utrede både teknologiutviklende og teknologinøytrale energisparingsordninger i tiden som kommer. Der er representanten Solvik-Olsen fullstendig klar over at jeg deler hans store engasjement for såkalte hvite sertifikater. Det er noe jeg gleder meg til å jobbe videre med, som også kan ha relevans til plusshus. Det er en annen måte å belønne på. Senterpartiet vil føre Norge fra det fossile til det fornybare energisamfunnet. Derfor må vi husholdere bedre med den energien vi bruker, og vi må produsere mer fornybar energi. Derfor støtter vi også intensjonen i representantforslaget som debatteres i dag. Norge har et stor uutnyttet potensial både når det gjelder produksjon av ny fornybar energi og energieffektivisering, også for husholdninger. Energien som brukes i husholdninger, skal gi minst mulig negative konsekvenser, både for klimaet og i form av lokal forurensning, som svevestøv. Mer energieffektive bygg er en sentral målsetting i Klimakur. Samtidig er det viktig at man ved de valgte løsningene ser kostnader og målsettinger i sammenheng, og at det i valg av løsning tas hensyn til hva som er mest funksjonelt for det enkelte bygg. Lavenergiprogrammet slo i fjor fast at energibruken i bygg kan halveres innen 2040. Kommunalministeren har dette som ambisjon, og utviklingen går allerede raskere enn antatt for kun få år tilbake. I dag bruker den norske bygningsmassen til sammen 80 TWh energi. For å halvere dette tallet må man sette i gang tiltak i all typer bygg, både nye og gamle bolighus og industribygg. Utvalget foreslo at alle nybygg fra 2015 må være passivhus. EUs nylig oppdaterte bygningsdirektiv krever at nybygg fra og med 2020 skal være såkalte nesten nullenergihus, med andre ord bygd med særlig lavt energibehov, som også produserer energi selv. Passivhus er et steg på veien. Aktivhus er neste. Riktignok utgjør ikke CO2-utslippene fra den norske bygningsmassen mer enn 3 pst. av de totale utslippene, mot ca. 35 pst. i Europa. Dette skyldes at vi i all hovedsak bruker strøm basert på vannkraft. Men hvis vi frigjør strøm fra bygninger, vil dette kunne erstatte bruk av annen forurensende kraft. Som forslagsstillerne er inne på, er det mange mulige veier til målet om å få fart på byggingen av energiproduserende bygg. Både virkemiddelapparat, effektivisering i saksbehandling og energimerker er viktige verktøy. I tillegg må staten gå

Når vi får mer erfaring med hvordan regelverket for plusshus fungerer, vil vi vurdere ytterligere forenklinger i regelverket. Senterpartiet er utålmodig når det gjelder å få frigjort verdifull kraft fra bygningsmassen og i stedet bruke den til å erstatte fossil energi i eksempelvis transportsektoren og industrien. Systemet for automatisk måleravlesning, som var mye diskutert i forrige sak, vil også kunne gi et viktig bidrag til dette.

Jeg merker meg at regjeringspartiene støtter intensjonen i forslagene, og det er vel dessverre så langt de kan gå. Jeg håper den nye statsråden kan gi noen positive signaler her i dag. Som vi har skrevet i representantforslaget, står bygninger for om lag 40 pst. av verdens energiforbruk, og store kutt i energiforbruket i bygninger vil ha store i Europa lenge vært fokusert på energieffektive hus. De siste årene har interessen for hus som genererer mer energi enn de forbruker, nemlig plusshus, blomstret opp. Det er bygd slike hus bl.a. i Tyskland og Østerrike. EU-parlamentet har foreslått at alle nybygg fra 2019 skal produsere mer energi enn de forbruker, slik også representanten Olsen var inne på. Norge er blant de landene hvor energiforbruket i bygninger er høyest. Slik sett er Norge også et av landene som har mest å tjene på energieffektiviseringstiltak i En forutsetning ved norske plusshus er at bygningskroppen er så energieffektiv som mulig. Ved hjelp av god isolasjon, høy tetthet og intelligente ventilasjonsløsninger er det mulig å ta oppvarmingsbehovet ned til et minimum. I tillegg vil varmegjenvinningsløsninger for ventilasjonsluften og gråvannet, kreative løsninger for best mulig å utnytte dagslys og bruk av kun svært energieffektive elektriske apparater gjøre at bygningen bare trenger å generere en svært begrenset mengde energi. Vi i Venstre vil påpeke at med en kombinasjon av svært energieffektive bygg, solfangere og varmepumper til oppvarming, samt små vindturbiner og solcellepaneler til elektrisitetsgenerering, vil vil det være fullt mulig å bygge plusshus de fleste steder langs kysten, opp til et godt stykke inn i Nord-Norge. Også i innlandet vil det finnes steder som er godt egnet for plusshus, men her vil den kalde vinteren kunne være en utfordring. Langt nord i landet byr det lave antallet soltimer også på en stor utfordring. Enova, det statlige organet som gir økonomisk støtte til energieffektivisering og fornybar energiproduksjon, har i dag støttesystemer for bygging av energieffektive bygninger, men de støtter ikke private husholdninger. For å motivere til bygging av mer energieffektive hus i alle byggkategorier burde denne ordningen gjelde alle typer bygninger, på samme måte som det finnes for alle de forskjellige bygningskategoriene. Til slutt: Det er fullt mulig å bygge plusshus i Norge. Samtidig finnes det en rekke løsninger for energieffektivisering og energiproduksjon som kan implementeres i den eksisterende byggmassen, og som burde benyttes i nybygg også på steder hvor forholdene ikke ligger til rette for bygging av plusshus. Tatt i betraktning bygningers lange levetid vil den eksisterende byggmassen være med oss langt inn i fremtiden. Da er det viktig at det gjennomføres tiltak for å sikre at energibruken i disse bygningene blir så lav som mulig.

Så er det også slik at det skjer ting fortløpende. Bare de siste 15–20 årene har f.eks. kravene til teknisk forskrift blitt strammet inn betydelig, ikke minst med tanke på å redusere energiforbruket i norske husholdninger. Jeg vil minne om at det har regjeringen nylig gått runder på, og den har stilt strengere krav. Regjeringen står også delvis i stormen med tanke på at enkelte mener at disse kravene er for strenge, det er for store kostnader knyttet til dem, og det stiller for store krav til kompetansen til dem som skal bygge disse husene. Jeg sier ikke at det er det samme som at vi ikke skal fortsette på denne veien, men jeg synes det hører med til fortellingen å presentere

og mot nye miljøvennlige energiløsninger som kan ha et lovende markedspotensial på sikt. Det er en ambisjon å oppnå varige markedsendringer, der miljøvennlige løsninger blir konkurransedyktige. Enova forestår en rekke programmer, bl.a. for å øke energieffektivisering i industri og i bygg, for å øke andelen fornybar varme basert på vannbårne løsninger og for å demonstrere nye energiteknologier. Forslagsstillerne viser til at bygninger står for om lag 40 pst. av verdens energiforbruk, og at store kutt i energibruken i bygninger vil ha positive konsekvenser for miljøet. Videre viser de til at interessen for hus som genererer mer energi enn de forbruker, såkalte plusshus, har blomstret opp. Jeg er enig i at det er viktig med tiltak som kan få ned energibruken i bygg. Enova har en bred satsing rettet mot Forslagsstillerne viser til at en forutsetning ved norske plusshus er at bygningskroppen er så energieffektiv som mulig. Ved hjelp av god isolasjon, høy tetthet og intelligente ventilasjonsløsninger mener de at det er mulig å ta oppvarmingsbehovet ned til et minimum. Jeg kan vise til at det er nettopp dette Enova arbeider for å oppnå. Et av hovedelementene i Enovas byggprogram er et eget tilbud om investeringsstøtte til investorer som ønsker å bygge lavenergibygg og passivhus.

Forslagsstillerne ber regjeringen sørge for at Enova gir støtte til utbygging av demonstrasjonsprosjekter for plusshus i alle størrelser, og gjøre det slik at støtten til energieffektive bygninger også omfatter private husholdninger. Jeg kan vise til at aktører med ambisjoner om å bygge plusshus kan per i dag få støtte til å bygge en bygningskropp tilsvarende passivhusstandard gjennom programtilbudet for passivhus og lavenergibygg. Markedet for plusshus er imidlertid kommet vesentlig kortere enn markedet for

Det er lagt opp til en mest mulig kostnadseffektiv forvaltning av midlene i Energifondet i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger for opprettelsen av Enova og Energifondet. Det er derfor Enovas oppgave å utforme programmer og programkriterier som til enhver tid er best mulig tilpasset markedene, innenfor de rammer som settes av avtalen. Forslagsstillerne ber videre regjeringen forenkle og gjøre saksgangen raskere for energianlegg tilknyttet bygninger som leverer strøm til nettet ved å la sakene behandles av NVE lokalt, slik det gjøres i dag med de minste småkraftverkene. Jeg kan vise til at plusshuskunder som leverer elektrisitet til nettet i enkelttimer, allerede er fritatt for kravet til omsetningskonsesjon. NVE har gitt en generell dispensasjon som legger til rette for at en forbrukskunde som i enkelttimer har overskuddskraft, kan levere denne inn i nettet. Det blir replikkordskifte.

Det er det mange som finner urimelig, fordi vi må bruke veldig kostbare løsninger for å dekke det energibehovet som en billigere og bedre kunne dekket ved å bruke strøm. Så i forhold til Enovas virkemiddelbruk: Jeg tok i mitt innlegg opp et ønske fra veldig mange brukere om å kunne få støtte til teknologier som Enova ikke gir støtte til i dag, f.eks. luft-til-luft varmepumpe, vedovner, etterisolering og skifting av Vil statsråden ta initiativ til at Enova i større grad kan vurdere slike tiltak, slik at flere husholdninger med mindre god økonomi enn de har som kan bore etter jordvarme, også kan få bidra til den energisparedugnaden som jeg tror statsråden og alle i dette hus ønsker? Aller først: Når det gjaldt kritikken jeg refererte til, var det ikke dermed sagt at den med mindre god økonomi enn de har som kan bore etter jordvarme, også kan få bidra til den energisparedugnaden som jeg tror statsråden og alle i dette hus ønsker? Aller først: Når det gjaldt kritikken jeg refererte til, var det ikke dermed sagt at den kom fra Fremskrittspartiet og Solvik-Olsen. Jeg bare refererer til en generell debatt i samfunnet der man fra mange hold problematiserer de stadig strengere kravene som regjeringen stiller til energieffektivitet i hus, og følgelig også de kravene som stilles til kompetanse og gjennomføringsmuligheter for dem som skal bygge dem, og at mange setter spørsmålstegn ved en debatt. Så er det slik at å gi statsstøtte i seg selv ikke er noe mål, det er et virkemiddel for å oppnå de målene man ønsker. Når det gjelder vedovner, er min analyse at det er et velfungerende marked. Da er det ikke noe poeng å gå inn og gi statsstøtte der. Enova har en oppgave med å introdusere nye teknologier og gjøre det til en del av Ellers bør vi ha et mål om mest mulig kostnadseffektiv bruk av skattekronene. Da må vi bli enige om hva Enova skal gjøre. Skal Enova prøve å innfri størst mulig energisparing? Eller skal Enova prøve å lage nye markeder som i dag ikke eksisterer, ved at teknologi som markedet selv ikke har sett behov for, blir

rett og slett på grunn av folks psykologi, at det å få det lille bidraget gjør at man gjør det, mens man i dag ikke gjør det. Hvis det er slik at regjeringen ønsker å stimulere til mest mulig energisparing, burde den jo være teknologinøytral. Hvis regjeringen derimot ønsker å stimulere til nye teknologier, bør en ikke snakke om at dette handler om å spare mest mulig energi. Da må en bare si at en ønsker flere konkurrenter inn i markedet. Det er for så vidt et ærlig standpunkt, men det er to ulike formål en da bruker Enova til.

sørge for at vi får mest mulig igjen for skattekronene våre, og så skal de bidra til at man utvikler nye marked og får på plass nye teknologier. Både luft-til-luft varmepumper, som representanten refererte til, og vedovner er velfungerende markeder, og det omsettes for store beløp og i stort folk flest åpenbart – og heldigvis – har råd til, og det er fornuftig. Skulle vi virkelig ødelagt de markedene, skulle vi jo nå sagt at vi vurderer å innføre en støtteordning for dette. Det ville sannsynligvis vært den mest effektive stopperen for at noen hadde kommet til å kjøpe en varmepumpe i morgen.

Hvilke virkemidler er det han da ser som mest aktuelle å innføre for å utløse dette potensialet? Vil statsråden, og på hvilken måte, følge opp anbefalingene i Arnstad-utvalget? Til spørsmålet om vi skal utløse potensialet: Ja, Arnstad-utvalget? Til spørsmålet om vi skal utløse potensialet: Ja, jeg mener at vi er nødt til å være offensive på det viset at vi utvikler nye teknologier, får ned inngangsprisen, på sikt gjør det mulig å ta i bruk løsninger som i dag kanskje ligger litt foran, også for vanlige forbrukere. Men jeg tror også det er viktig å være klar over at det nok kan komme til å ta noe tid. Er virkemiddelapparatet vårt godt nok? På generell basis tror jeg at jeg vil svare slik at vi alltid må være åpne for å diskutere virkemiddelapparatet vårt i tråd med «tida og tilhøva», for å sitere fjelloven. Det er nødt til å være slik at vi hele tiden justerer det etter kart og terreng, og sørge for at det er optimaliserte forhold til de målene vi ønsker å oppnå. Nå skal vi inn i en prosess med Enova for å skrive et nytt og da er dette den typen debatter og den typen innspill som selvsagt vil være med. I forlengelsen av forrige spørsmål: For å ta ut energipotensialet i norske bygg er vi avhengig av at staten tar et større ansvar og går inn med konkrete virkemidler, slik vi ser det. Et eksempel på det er at staten kan gi kommunene dispensasjon fra plan- og bygningsloven, slik at kommunene kan stille strengere krav til utbyggerne og prosjekter og nybygg enn det som i dag ligger i teknisk standard. Er statsråden åpen for et slikt forslag?

Som medlem av kommunal- og forvaltningskomiteen er jeg i en komité som har fokus på energieffektivitet i bygg. Regjeringen og Kommunal- og regionaldepartementet jobber nå med en stortingsmelding om bygningspolitikk, der energieffektivisering er ett av fire prioriterte områder. Energieffektivisering i bygg er trukket fram som et av de viktigste klimatiltakene. Det brukes 80 TWh i bygningsmassen, og fram til 2020 er sparepotensialet beregnet til Jeg vil i mitt innlegg fokusere på lavenergiprogrammet, som også vil ha innvirkning på om vi vil bygge flere plusshus i Norge. Det er et samarbeid mellom byggenæringen og flere statlige etater. De som er med, er Byggenæringens Landsforening, Arkitektbedriftene, Husbanken, Enova, NVE, Statsbygg og Statens byggtekniske etat. Programmet jobber med energieffektivisering i bygg og kompetanseheving i byggenæringen innen feltet. Det er ute i samfunnet et voksende engasjement og mye oppmerksomhet rundt energieffektivisering på grunn av høye strømpriser. I 2009 omsatte byggenæringen for 105 mrd. kr innen nybygg og 86 mrd. kr innen rehabilitering og vedlikehold av bygningsmassen. Gjennom å satse på kompetanseheving i byggenæringen kan man målrettet vri store investeringer til å inkludere energi- og miljøtiltak og dermed legge grunnlaget for en offensiv og god regulering.

Vi har allerede mye kunnskap om passivhus og energirehabilitering. Utfordringen er at dette skal bli standard i hele byggenæringen, hvor kunnskap ikke er allmenn og mangel på kunnskap kan bli den største barrieren for å gjennomføre en slik standard. I dag er det anslagsvis 250 000 som jobber i byggenæringen, og mange av disse For å sikre at energieffektiviseringstiltak blir prosjektert og utført riktig, er det avgjørende at det utvikles trygge og robuste tekniske løsninger. Satsingen vår på dette feltet må gjenspeiles i økt satsing på anvisninger, verktøy og øvrig utvikling av kunnskap og dokumentasjon i takt med at energikravene i byggebransjen skjerpes. Dette vil føre til at vi vil få flere plusshus som gir oss energi.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

kraftlinjer, vart reist før det var teke endeleg stilling til Sima–Samnanger av regjeringa 1. mars 2011. Då vart saka endeleg avgjord, og det vart bestemt at det skulle byggjast ny kraftlinje i luftspenn. Sjølv om saka om Sima–Samnanger formelt sett er avgjord, er denne saka ei viktig prinsippsak både når det gjeld prosedyre ved konsesjonshandsaming, og ved at ein her har fått uavhengige vurderingar av grunnlaget for Komiteen har i brev til departementet etterlyst fleire rapportar og dokument om forsyningssituasjonen i Bergensregionen, bl.a. arbeid som Troll Power har utført for Statoil. Dessverre manglar det fleire rapportar og vedlegg i det som kom frå departementet. Fleirtalet i komiteen føreslår at saka blir lagd ved protokollen, medan mindretalet vil avvise forslaget. Vi har bak oss fleire år med sterk og intens debatt om I Hardanger har det vore sterk motstand mot planane om å byggje ei ny 420 kW kraftlinje mellom Sima og Samnanger heilt frå planane vart lanserte i 2005, og det toppa seg då klaga på konsesjonen vart avvist 2. juli 2010. Sima–Samnanger er unik på mange måtar. Alle kommunane i regionen var imot luftspenn. Det same var fylkestinget i Hordaland og dei politiske Hovudargumentet for bygging av linja har vore forsyningssikkerheitssituasjonen i Bergensregionen. At saka har hatt så stor merksemd, kjem også fram i ein analyse av den formelle konsesjonsprosessen og mediedekninga knytt til bygging av kraftlinja mellom Sima og Samnanger som SINTEF har laga, som heiter Case Hardanger og er datert 1. april 2011. Formålet med rapporten er å bidra til å vidareutvikle føreseielege prosedyrar knytte til myndigheitene si handsaming av nettutviklingsprosjekt, og det kan trengast. Høgre er einig med forslagsstillarane i at oppgradering av eksisterande kraftlinjenett er det mest realistiske alternativet til den planlagde linja mellom Sima og Samnanger, og at dette alternativet derfor burde vore nærare greidd ut av uavhengige fagmiljø langt tidlegare. Dette alternativet burde vore vurdert opp mot luftspennet i Hardanger før ein tok endeleg avgjerd. I desse vurderingane måtte også ulempene i form av t.d. redusert forsyningstryggleik i bergensområdet i oppgraderingsperioden og behovet for å realisere potensialet for fornybar energiproduksjon i Hardanger vorte tekne med. Det er verd å merkje seg at Statnett skreiv i rapporten «Sima – Samnanger, oppdaterte systemberegninger desember 2007» at det «ikke vil være samfunnsmessig lønnsomt å investere i en ny 420 kV ledning Sima – Samnanger med idriftsettelse allerede i 2010». Statnett viser også i rapporten til at ei utsetjing av kraftlinja til 2015 ville gje «et bedre beslutningsgrunnlag, først og fremst relatert til den fremtidige forbruksutviklingen i området». Dette synet deler også fleire høyringsinstansar, som har konkludert med at ein skal avvente ein meir omfattande gjennomgang av forsyningssituasjonen i Bergensregionen før ein tek endeleg stilling til bygging av luftlinje Det blir også vist til at lokal kraftproduksjon og/eller redusert energibruk både til vanleg forbruk og til oljeindustrien vil kunne endre situasjonen. Mange vil hevde at saka om 420 kV linje mellom Sima og Samnanger har vore prega av samanhengande rot og at siste fase i denne saka langt på veg har vore eit spel for galleriet. Det er verd å merke seg at utval 3 viser til at forsyningstryggleiken i BKK-området truleg ville vere tilfredsstillande det neste tiåret sjølv om Sima–Samnanger ikkje var på plass før 2012 under føresetnad av at Modalen–Mongstad–Kollsnes var på plass før 2016 og Energiverk Mongstad er i full drift frå 2015. Det er mykje som tyder på at dei største utfordringane med forsyningstryggleik til

Regjeringen har opprettholdt sitt forslag om luftspenn mellom Sima og Samnanger. I NVEs konsesjonsbehandling ble spenningsoppgradering vurdert som et alternativ. NVE konkluderte med at en slik løsning ikke ville være god nok for å sikre forsyningssikkerheten. I departementets avgjørelse av klagesaken i brev av 2. juli ble spenningsoppgradering gjennomgått som en av flere alternative muligheter til overføringsledning fra Sima til Samnanger. Departementet konkluderte der med at det ikke var et aktuelt alternativ å oppgradere eksisterende ledninger før det foreligger en tredje overføringsledning inn til det området for å sikre forsyningen i anleggsperioden. Det er i dag svært begrensede muligheter til å knytte ny produksjon til nettet i BKK-området. I NVE ligger det meldinger og søknader om småkraftverk med en samlet produksjon på rundt 115 GWh på vent inntil ny overføringskapasitet er etablert. Statnett har videre vurdert at Sima–Samnanger-ledningen kan muliggjøre etablering av 1 TWh fornybar energiproduksjon. Ved en Ved en spenningsoppgradering må planer om ny produksjon legges på is i 15 år. Jeg synes det er litt rart at Fremskrittspartiet her går inn for et forslag som ville utsette investeringer i ny kraftproduksjon med 15 år, men dem om det. I utvalgsrapportene kunne vi lese at om vi ikke bygger en ny linje inn til bergensområdet, måtte vi etablert bergensområdet som eget prisområde med tidvis mye høyere pris enn resten av landet. Det er ikke en løsning som verken jeg eller regjeringen er interessert i. For Arbeiderpartiet og regjeringen har det i denne saken vært viktig å sikre en god og stabil kraftforsyning i bergensområdet, at vi ikke skal ha store forskjeller på pris mellom landsdelene i Norge, og at en muliggjør mer produksjon av kraft i bergensområdet. Det sikrer vi med den løsningen vi nå har valgt.

Representanten Tor-Arne Strøm har da tatt opp det forslaget han refererte til. Dette er en viktig sak I denne sal har vi fra opposisjonens side flere ganger forsøkt å få regjeringen til å fremme en sak om kraftlinjepolitikk for å diskutere prinsippene. Det var bl.a. et tema da vi diskuterte utbygging av oljefeltet Gjøa, som skulle elektrifiseres fra Mongstad. Da skulle en altså ta strøm fra Bergensregionen, uten at en syntes det var et større problem, og elektrifisere norsk sokkel. Da ønsket opposisjonen at vi skulle ta en prinsipiell debatt om dette. Hva skulle ligge til grunn for kraftlinjepolitikken? Regjeringens politikk og regjeringens løsning ville medføre mange nye kraftlinjer. Da burde vi avklart de prinsippene før vi visste hvor traseen skulle gå, sånn at ikke alle var for kraftlinjene inntil de forsto at de gikk gjennom deres egen bakhage. Jeg tror det er lettere å ta prinsippdebatten før en vet hvem som blir rammet, for da klarer en å heve seg litt over det. Det ville ikke regjeringen. Det var det ikke behov for, sa regjeringen. Nå får vi en sånn Men skaden har dessverre allerede skjedd i Hardanger. Så registrerer jeg at regjeringen skryter av at de kommer med denne meldingen. Men de som kan historien, vet at regjeringen ikke akkurat har vært en pådriver for det – dem om det. Så merket jeg meg også at representanten Strøm sa at hvis ikke regjeringen får viljen sin, tar det 15 år å finne alternativ. Det sier litt om hvor proppen i norsk energipolitikk er 15 år for å finne et alternativ til kraftlinjen gjennom Hardanger. Da handler det om vilje, og det handler ikke minst om dårlig og manglende evne. Jeg forstår ikke at regjeringen selv vil innrømme hvor tregt de jobber når de sier at et alternativ vil ta 15 år å få på plass. Men det forklarer ikke en regjering som ikke klarer å diskutere andre alternativer på en skikkelig måte. Når altså et av utvalgene sier at det finnes et alternativ med spenningsoppgradering som kanskje er mer samfunnsøkonomisk lønnsomt enn det som regjeringen har valgt, avviser regjeringspartiene at dette kan være mulig fordi for det første: En må få på plass kraftlinjene mellom Mongstad og Kollsnes i løpet av fem år. Det anser de som urealistisk. Ja, det kan jeg godt forstå når jeg ser jobber. Ørskog–Fardal skulle jo være på plass i 2011, sa Statnett i 2006, og nå får vi en investeringsbeslutning først i 2011, en velkommen investeringsbeslutning, men allikevel fem år forsinket. Regjeringspartiene sier at det vil være umulig å kunne få gasskraftverket på Mongstad i full drift innen 2015, et gasskraftverk som vitterlig står ferdig. Det er altså ferdig bygd. Men Strøm og co. tror altså ikke det er mulig å starte begge turbinene i løpet av fem år. Igjen: Det sier litt om evnen i regjeringen til å finne gode løsninger. Jeg tror Fremskrittspartiet hadde klart det. Regjeringen sier de ikke klarer det. Det er deres utfordring. Denne saken om forsyningssikkerhet til Bergen er viktig. Fremskrittspartiet tok det opp da vi behandlet Gjøa-prosjektet i 2007. Ingen skal komme her og fortelle at Fremskrittspartiet ikke er opptatt av det. Det vi har diskutert her, er den eneste løsningen på dette, å hente kraft fra Sima vannkraftanlegg, som allerede finnes, og dra det gjennom Hardanger. Eller kan det være løsninger der du bygger ny produksjon andre steder og drar det opp fra sør? Det er mulig. Men jeg merket jo straks utvalgene hadde framlagt sin rapport 1. februar, i en debatt på Tabloid mot daværende energiminister at det å begynne å diskutere ny kraftproduksjon i denne sammenheng var helt uaktuelt. En skulle hente strømmen fra Sima og dermed basta. Da er jo dette den eneste løsningen du kan vurdere. Sånn sett forstår jeg godt at en faller ned på det en faller ned på. Men det er ikke fordi det ikke finnes alternativ reelt sett, men det finnes ikke alternativ som denne regjeringen kan leve med politisk.

Men av det som er de reelle alternativene for regjeringen, har en valgt rett. Prosessen rundt byggingen av høyspentmaster i Hardanger har gitt mye viktig lærdom som mange i det politiske Norge bør merke seg. Det hender med jevne mellomrom i Norge, som i andre land, at lokalt engasjement undervurderes og ikke i tilstrekkelig grad tas på alvor. Konfliktene knyttet til kraftlinjetraseen Sima–Samnanger identifiserte noen helt åpenbare svakheter ved hvordan sånne prosjekter planlegges og gjennomføres i Norge. Regjeringen har derfor varslet endringer i konsesjonsprosessene der det tas sikte på at konsesjonssøker skal gjennomføre en ekstern Det burde egentlig si seg selv, det er tross alt store motorveier for strøm vi snakker om her, som representerer betydelige naturinngrep, og som i de aller fleste tilfeller vekker et stort lokalt engasjement. Men slik har det altså ikke vært, og det er veldig gledelig at regjeringen har varslet disse endringene. Det er helt i tråd med SVs ønske om prosesser knyttet til bygging av høyspentlinjer som gir bedre forankring tidlig i prosessene lokalt.

og at sjøkabel vanskeliggjorde påkobling av ny småkraft. Det var det viktig å få påpekt for SVs del. At sjøkabel representerer en betydelig merkostnad og innebærer sine egne inngrep, er det jo heller ingen tvil om. Regjeringen valgte å gjøre en prioritering og gikk for luftspennalternativet, noe jeg mener er synd. Det er ingen tvil om at forsyningssikkerheten til bergensområdet nå blir betydelig sikrere, men jeg tror all den konflikt som har oppstått som følge av denne saken, kunne vært unngått med bedre forankring i konsesjonsprosessene. De delene av Fremskrittspartiets forslag som ikke er polemikk, og det er altså betydelig deler av dokumentet som er polemikk, har jeg i utgangspunktet sansen for. SV har hatt nær kontakt med bl.a. aksjonen Bevar Hardanger!, og et av alternativene vi har diskutert mye, er mulighetene for spenningsoppgradering av eksisterende nett. Med en mer framsynt nettpolitikk i Norge på et mye tidligere tidspunkt – og jeg vil her minne om at investeringene i nettet sank til et bunnivå etter at energiloven ble vedtatt tidlig på 1990-tallet, og nådde nullpunktet ved årtusenskiftet – ville kanskje denne saken kunne vært unngått. vil her minne om at investeringene i nettet sank til et bunnivå etter at energiloven ble vedtatt tidlig på 1990-tallet, og nådde nullpunktet ved årtusenskiftet – ville kanskje denne saken kunne vært unngått. Dette forslaget bør likevel ikke bifalles. Det er lite økonomi, lite samfunnsøkonomi og dårlig miljøpolitikk å gjøre en region nærmest permanent avhengig av f.eks. et reservegasskraftverk, og det er grunn til å minne om at regjeringen jobber knallhardt for å

Forsyningssituasjonen til bergensområdet må bedres, både av hensyn til dagens usikkerhet og av hensyn til regionens framtidige vekst. Slik det er nå, dekker ikke strømnettet den maksimale etterspørselen etter kraft. På kalde dager brukes det mer strøm i området enn det blir produsert. Hvis det brukes mer enn det dagens hovedledninger inn mot området kan frakte alene, og det blir feil på en av de to hovedlinjene som finnes i dag, må forbrukere kobles fra for å unngå overbelastning og enda mer omfattende og langvarige strømbrudd. Dette må unngås. Infrastrukturen må sikre nok strøm til alle når forbruket er på sitt høyeste. Bedre linjekapasitet må derfor på plass snarest. Vi kan ikke akseptere fare for at Bergen går i svart. Vi må bidra til etablering av ny kraftproduksjon i området. Dermed bidrar vi også til lokal næringsutvikling. En rekke søknader om småkraftverk, med et samlet potensial på rundt 115 GWh, støver nå ned i påvente av ny overføringskapasitet. Statnetts beregninger viser at det vil ta ti–tolv år før spenningsoppgradering er gjennomført. Dette forutsetter at ny krafttilførsel først er på plass. Om så ikke er tilfellet, vil det ta enda lengre tid, siden anleggsarbeidene kun kan gjennomføres i lavlastperioder. Bygger man parallelt i stedet, vil dette gi nye naturinngrep og dermed nye konflikter. Senterpartiet mener at det vil ta uakseptabelt lang tid før dette alternativet kan gjennomføres. Videre mener vi at det til dels er basert på urealistiske Derfor mener Senterpartiet at kraftlinjen mellom Sima og Samnanger må bygges. Dette er den løsningen som raskest vil bidra til realisering av ny kraftproduksjon. Den er et skritt på veien mot målet om jevnere pris på strøm, en sikker kraftforsyning og muligheter for økonomisk vekst og økt velferd for folk flest. Det er god senterpartipolitikk. La meg først si at det er

Det betyr at vi er nødt til å bygge mer nett, jf. de debattene vi har hatt tidligere i kveld, der jeg har opplevd at et bredt flertall i hvert fall har vært enig i ideen og betydningen av at nettet bygges ut. Så tror jeg at representanten Serigstad Valen har rett når han sier at det er mange som har lært mye gjennom denne saken. Det er en av de første store linjeutbyggingene som har skjedd i Norge på svært lang tid. Mitt håp og min ambisjon er selvsagt at framtidige prosjekter skal kunne gjennomføres med et langt lavere konfliktnivå enn det som har vært resultatet her. Når det er sagt, tror jeg at den linjen vi nå bygger, må være en av Norges – for ikke å si verdens – best utredede linje. Man har tatt opp alle mulige variabler og kombinasjoner av variabler til svært grundige vurderinger. Så til forslagets innhold. Her setter man altså spenningsoppgradering opp mot regjeringens standpunkt om å bygge en ny linje.

Med bakgrunn i Statnetts tilbakemeldinger og notat utarbeidet i regi av Den Norske Turistforening vurderte departementet spenningsoppgradering på nytt i klagebehandlingen, etter å ha innhentet NVEs kommentarer til alt Jeg viser til departementets avgjørelse av klagesaken i brev av 2. juli 2010, der spenningsoppgradering ble gjennomgått som en av flere alternative muligheter til overføringsledningen fra Sima til Samnanger. Departementet konkluderte der med at det ikke var et aktuelt alternativ å oppgradere eksisterende ledninger før det foreligger en tredje overføringsledning inn til området for å sikre forsyningen i anleggsperioden. Spenningsoppgradering er også omtalt av utvalgene som fikk i oppdrag å vurdere sjøkabelalternativet for Sima–Samnanger. En spenningsoppgradering vil strekke seg over ti–tolv år. Dette forutsetter imidlertid at en ny krafttilførsel først er på plass. Uten en ny krafttilførsel vil oppgraderingen ta ytterligere tid fordi anleggsarbeidene bare kan utføres i korte lavlastperioder. Ny kraftproduksjon i den størrelse og tilgjengelighet som kreves for å gjennomføre en spenningsoppgradering, vil i realiteten måtte være et gasskraftverk. Et gasskraftverk vil ikke kunne produsere i de største overskuddsperiodene, som følge av at det allerede i dag er eksportbegrensninger ut av regionen i perioder med høyt Det er i dag svært begrensede muligheter til å knytte ny produksjon til nettet i BKK-området. I NVE ligger det meldinger og søknader om småkraftverk med en samlet produksjon på rundt 115 GWh på vent inntil ny overføringskapasitet er etablert. Statnett har videre vurdert at Sima–Samnanger-ledningen kan muliggjøre etableringen av 1 TWh fornybar energi-produksjon. Ved en Ved en spenningsoppgradering må planer om ny produksjon legges på is inntil den er gjennomført. Kraftledningen Sima–Samnanger er det alternativet som raskest kan bidra til etablering av ny kraftproduksjon i regionen, og således bidra til lokal næringsutvikling og verdiskaping. Jeg er av den oppfatning at det er grunnlag for å si at det ikke er et aktuelt alternativ å oppgradere eksisterende ledninger før det foreligger en I departementets brev av 1. mars ble det derfor lagt til grunn at det er behov for en ny overføringsledning fra Sima til Samnanger. Konsesjonsvedtaket av 2. juli 2010 ligger dermed fast. Det blir replikkordskifte.

har gjort fleire utgreiingar, og det er interessant å sjå kva vurderingar som har vorte gjorde tilbake i 2007. Vil statsråden sørgje for at komiteen får dei dokumenta som komiteen har bedt om, deriblant rapporten frå Troll Power til Statoil frå 2007 med nødvendige vedlegg og eventuelt andre relevante dokument i Min bemerkning om at det er mange som har lært mye, er en positiv invitt som går begge veier. Det er flere, mener jeg, som har behov for å lære mye, som et resultat av denne saken. Når det gjelder det behovet for informasjon som komiteen mener å ha, skal selvsagt departementet stille opp med den informasjonen som komiteen spør

dag. Et stort lokalt engasjement og et nasjonalt engasjement førte til at regjeringen bestemte at vi skulle ha en ekstra utredning om sjøkabel høsten 2010. Jeg mener at forsyningssikkerheten i BKK-området ikke er god nok i dag, og at tiltak må iverksettes for at sikkerheten skal nå den standarden som kreves for det øvrige Norge og i Europa. Europa. Etter at de fire regjeringsoppnevnte ekspertutvalgene la fram sine rapporter den 1. februar, har vi fått ny og forbedret kunnskap for å konkludere i valg av tiltak for å oppnå god nok forsyningssikkerhet i bergensområdet. Utvalgene slår fast at dagens forsyningssikkerhet ikke tilfredsstiller kravet om at forsyning opprettholdes selv om en ledning faller ut. Utvalgene sier at det er teknisk mulig å velge sjøkabel, men at dét vil være vesentlig dyrere og mer tidkrevende å få på plass enn luftspenn. Regjeringen falt ned på, som vi vet, at det skal bygges ny kraftlinje i luft mellom Sima og Samnanger. Mangel på nett legger restriksjoner på økonomisk vekst og etablering av arbeidsplasser. Statsråden var i sitt innlegg inne på at det må bygges ut nett framover, noe som har vært forsømt i flere bygges ut nett framover, noe som har vært forsømt i flere år. Jeg mener vi ikke kan la BKK-området bli et eget prisområde, noe som kan føre til at vi på kalde vinterdager kan oppleve å få 40–50 pst. økt strømpris i forhold til dagens situasjon og tidvis en vesentlig høyere pris enn resten av landet. I tillegg til at denne usikkerheten vil skape restriksjoner for økonomisk vekst og nye arbeidsplasser, vil også et eget prisområde true eksisterende industriarbeidsplasser i bergensområdet – en industri som allerede i dag sliter med høye strømpriser og ettervirkninger av finanskrisen. Jeg vil videre framheve behovet for en pålitelig kraftforsyning for en region i sterk vekst. At dagens situasjon medfører fare for utkoblinger og høye priser for bergensere og andre hordalendinger, kan vi ikke leve med. Jeg er glad for at regjeringen har konkludert, slik at arbeidet kom i gang med å sikre tryggere energiforsyning og en jevnere pris på strøm. I kjølvannet av saken skal regjeringen se på prosessen for konsesjon og bygging av kraftlinjer for å få en bedre forankring lokalt. Det er bra, selv om det ikke hjelper de i Hardanger og andre som er skuffet over at sjøkabelalternativet ikke ble valgt.

neste.

da til votering. Under debatten er det satt fram i alt åtte forslag. Det er forslag nr. 1, fra Solveig Horne på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre forslag nr. 2, fra Solveig Horne på vegne av